demokratisk jobb i Miljøpartiet De Grønne og kommet til dette resultatet. Replikkordskiftet er over.

Regjeringen foreslår nå en ytterligere innskjerping av lovverket, som en følge av Stortingets vedtak i fjor. Vi har derfor lagt frem et forslag om påbud av flyteutstyr for barn og unge under 16 år. Regjeringens forslag baserer seg på en avveining av flere forhold. Jeg mener myndighetene bør være varsom med å regulere folks fritidsaktiviteter og naturopplevelser. Vi må ha respekt for den friheten nettopp naturopplevelser og rekreasjon gir oss. Jeg tror på frihet under ansvar, og av og til bør det være grenser for politikk. I dette ligger det også en erkjennelse av at det ikke er alt samfunnet kan og bør regulere seg ut av. En rekke aktiviteter vil medføre risiko, det gjelder bl.a. ute i naturen, både på land og til sjøs. I dag har vi et påbud om å ha flyteutstyr tilgjengelig for alle om bord i fritidsbåt. Dette påbudet balanserer på en god måte behovet vi som samfunn har for god sikkerhet om bord i fritidsbåt, samtidig som ansvaret for bruk fortsatt hviler på den enkelte. Med regjeringens forslag mener jeg vi har funnet en hensiktsmessig balanse. Barn og unge under 16 år kan ikke alltid forventes å ivareta sin egen sikkerhet på samme måte som voksne. De er også mer sårbare i en ulykkessituasjon. I undersøkelsen jeg refererte til innledningsvis, fremkommer det at så mange som 80 pst. sier at de bruker flyteutstyr «alltid» eller «nesten alltid» når de er i fritidsbåt. Selv om båtbruk alltid kan medføre risiko, er det ikke nødvendigvis slik at risikoen er av en slik karakter at det påkrever statlig regulering. Vi vet at Det betyr at generelle påbud også rammer dem som allerede utviser godt sjømannskap, eller dem som selv bedømmer at de ikke trenger å bruke flyteutstyr. Det viktigste som kan forebygge drukningsulykker, er at folk har kunnskap om sikkerhet til sjøs. Sjøfartsdirektoratet jobber derfor kontinuerlig med holdningsskapende arbeid. Det samme gjør Redningsselskapet. Når det er sagt, er selvsagt ethvert dødsfall som følge av drukning ett for mye. Men vi vet at holdningsskapende arbeid gir resultater. Det er ikke minst viktig overfor unge båtbrukere. Et påbud for de yngste vil også være oppdragende og opplærende, slik at de forhåpentligvis fortsetter å bruke flyteutstyr som voksne. Derfor mener jeg regjeringens forslag vil øke oppmerksomheten om sikkerhet og bruk av flyteutstyr, samtidig som vi har respekt for voksne menneskers frihet til å bestemme selv. Det blir replikkordskifte.

har bedre svømmeferdigheter enn barn og unge? Jeg tror jeg må minne representanten Botten på at regjeringens utgangspunkt var at vi ikke ønsket et påbud for noen grupper. Vi fikk en bestilling fra Stortinget om å fremme et forslag fremme et forslag med et påbud knyttet til barn. Det har vi gjort. Så er det slik at barn er gode til å bruke flytevest, men dette vil sikre at alle barn må bruke det hele tiden. I en ulykkessituasjon vet vi at barn er mer sårbare. Det er utgangspunktet for den avveiningen vi har gjort. Men vårt utgangspunkt var altså at vi ikke ønsket et påbud, et standpunkt vi for øvrig har til felles med den rød-grønne regjeringen, som heller ikke innførte dette i løpet av sine åtte år i regjering.

altså mot Hovedredningssentralen, mot Kystvakten, mot Redningsselskapet, mot politiet og mot folkets røster, som faktisk har sagt tydelig fra i spørreundersøkelse at dette er de opptatt av å få gjort. Er det ved å stå imot alle andre og komme med et forslag som er lite målrettet med tanke på målgruppen som i dag er utsatt for drukningsulykker, at regjeringen mener at den handlekraftige siden av sitt arbeid er framtredende?

om et vestpåbud for barn, leverte vi det. Og det er altså slik at barn er mer sårbare, og at ikke alle barn kan ta vare på seg selv. Dette forbudet vil innebære at alle barn sikres. Da er klokken 22. Presidenten gjør oppmerksom på at den reglementsmessige tiden for dagens møte er omme og foreslår at Stortinget fortsetter møtet til dagens kart er ferdigbehandlet. – Det anses vedtatt.

en jo lagt stor vekt på de lovtekniske vurderingene som departementet har gjort, og det forslaget som ser ut til å få flertall i dag, er i stor grad en blåkopi av regjeringens opprinnelige forslag i proposisjonen – med unntak av at en har tatt vekk aldersbegrensningen; det ville gjøre påbudet bredere og etter vår mening mer virkningsfullt. Men så har flere fra regjeringspartiene og proposisjonen. Da kan det være fristende å spørre statsråden om hvorfor lengdebegrensningen på åtte meter er satt, for en sånn forklaring tror jeg kanskje vil nå mer fram selv hos regjeringspartiene på Stortinget. Vi har forholdt oss til det vi oppfattet var bestillingen fra Stortinget, og det var ønsket om å regulere vestpåbud i åpen båt. i åpen båt. Åpen båt forbindes ofte med en 8-metersgrense. Det er også i andre sammenhenger slik at fartøyer er regulert basert på åtte meter. Derfor har vi fremmet dette forslaget. Men spørsmålet er i og for seg godt nok, for det hender jo at det forekommer ulykker, også drukningsulykker, fra båter av større størrelse. Men det er altså basert på en vurdering av hva som er en åpen båt, hvor de fleste ulykkene

Så hvorfor viser statsråden stadig til Stortinget i de sakene som er ubekvemme å ta stilling til, mens en altså har gjort en selvstendig vurdering når det gjelder tolkningen av det vedtaket som Stortinget gjorde 13. juni 2014, som foreslo å påby bruk av flytevest i fritidsbåter der det er barn i båten?

Forslaget fra regjeringspartiene tilsier at foreldre ikke behøver å ha på redningsvesten. Hva slags rollemodeller blir foreldre da? Det hjelper lite å ha redningsvesten under tofta når du ligger i sjøen. En spørreundersøkelse blant 4 000 mennesker viser at 71 pst. av menn og 94 pst. av kvinner er for Sjøfartsdirektørens faglige råd er at dette er et treffsikkert tiltak. Ja, sågar Redningsselskapet er tydelig på at dette er et påbud som virker godt. Flertallet i denne sal mener at et redningsvestpåbud er et godt påbud. Det er Arbeiderpartiet glad for – for

Vi synes heller ikke det er god ressursbruk å pålegge politiet å kontrollere at folk bruker redningsvest en vindstille solskinnsdag, eller å kriminalisere solbadere som ligger på dekk i fem knops fart, uten vest. Vi har mer tro på opplysning om risiko og holdningsskapende arbeid. Undersøkelser viser også at dette har størst effekt. På tross av at antall båter har doblet seg de siste årene, har antall ulykker heldigvis gått ned. gått ned. Sjøfartsdirektoratet, Redningsselskapet og andre gjør en formidabel innsats for å bidra til dette. De fleste som ferdes på sjøen i mindre båter, bruker flyteutstyr når forholdene tilsier det. Ulykkesstatistikken toppes av menn over 40 år i raske båter, hvor ofte promille og nattemørke spiller en vesentlig rolle. Når norsk lov om både fart og promille brytes på denne måten, tror ikke jeg at redningsvest for alle løsningen. Etter vårt syn bør heller politiets ressurser settes inn på å få bort dem som setter både eget og andres liv i fare. Vi kan ikke lage lover for alt som er farlig. I utgangspunktet ønsker ikke Høyre dette påbudet, men vi forholder oss selvfølgelig til at stortingsflertallet var av en annen oppfatning og støtter derfor regjeringens forslag om vestpåbud for barn opp til 16 år.

båt. Alle er selvfølgelig opptatt av sikkerhet på sjøen, og det store flertallet av båtfolket oppfører seg pent. Men selv om det alltid er noen få som skiller seg ut både når det gjelder manglende båtferdigheter, for høy promille og for høy fart, er ikke jeg tilhenger av ytterligere påbud og ytterligere reguleringer, som vil ramme båtfolk flest. Problemet er nemlig ikke at vi har for få reguleringer, og restriksjoner, eller at vi har et mangelfullt regelverk. Problemet er at dagens regelverk ikke blir håndhevet strengt nok eller godt nok. Stortingsflertallets forslag i dag om at man må bruke redningsvest i båt som er under åtte meter og i fart, er mildt sagt unyansert og upresist. Det er lite konkret, det er lite gjennomtenkt, og det er umulig å håndheve rettferdig og objektivt. Slike upresise lovforslag vil kun føre til tilfeldigheter og urettferdigheter i forhold til å håndheve regelverket, noe som igjen kan føre til «advokatmat» og rettssaker. Hva er egentlig fart? Det er ikke definert om framdriften eller den såkalte farten skyldes motorkraft, kan føre til «advokatmat» og rettssaker. Hva er egentlig fart? Det er ikke definert om framdriften eller den såkalte farten skyldes motorkraft, eller om det er årer, eller om det er vind. Du kan ligge og sole deg og slappe av i en liten robåt på et stille fjellvann, eller du kan ligge ute på dekk i en motorbåt langs kysten og bare drive med strømmen, men så må du fortsatt ha på deg redningsvest om dette lovforslaget blir vedtatt. Flertallet i komiteen påpeker at de fleste ulykker inntreffer som en kombinasjon av som f.eks. høy hastighet og manglende bruk av flyteutstyr. Følgelig hadde det vært litt forståelig og litt logisk om fart hadde vært definert som f.eks. fart over 20 knop. Eller for å gjøre det enklest mulig: Bruk allerede gjeldende regler. Knytt kravet om fart opp mot regelen om maks fem knop om man er nærmere enn 100 meter fra land. Og hva med robåter? Hvis man skal ut og ro må du ta på deg vesten når du ror ut fra land, men du får lov å ta av deg vesten når du skal bade. Det er da du egentlig trenger vesten, når du er ute i vannet, for å forhindre at du drukner. Og når du kommer opp igjen i båten og ror til land, må du ta på deg vesten. Dette blir rett og slett komisk og for dumt. Jeg er glad for at SV ser det, jeg er glad for at Høyre ser det, og at Fremskrittspartiet ser det. Jeg synes det er trist for øvrig at det ser ut til at dette kommer til å bli vedtatt.

hans innlegg. Jeg opplever det like mye som et angrep på lovgivningskompetansen i departementet som på stortingsflertallets politiske skjønn. Begge deler lever jeg godt med. Men jeg mener det er viktig etter en sånn debatt som denne å understreke at jeg opplever at en i alle partier har et engasjement for å få ned antall drukningsulykker, og at en er villig til å bruke for å nå målet. Vi har jo i betydelig grad regelverket allerede, og så er spørsmålet: Hvor går grensen? Det som er mitt håp nå, er at dette vedtaket får flertall i Stortinget. Det trår i kraft fra 1. mai. Jeg tror den debatten som flertall i Stortinget. Det trår i kraft fra 1. mai. Jeg tror den debatten som har vært om påbudet, har vært viktig, og kan bidra til økt bevissthet rundt bruk av vest. Jeg tror det er viktig få fram at det som er den mest effektive holdningen å ha, er at vest er noe en alltid bruker når en er om bord i båt i fart, og det er ikke egnet til å gjøre en konkret vurdering av hvorvidt drukningsfaren er overhengende eller ikke. De fleste ulykker skjer

Vi har sett at regjeringen heller ikke ønsker gjennomsnittsmålinger på vei. Jeg tror at sikkerhet både til lands og til sjøs handler om å forbedre føreratferd og også å regulere føreratferden. Derfor er det viktig både med gjennomsnittsmålinger på vei og med flytevest i båt. Det er også litt underlig når vi voksne skal være forbilder for våre barn, at barna skal pålegges flytevest, men ikke de voksne – det er en helt uforståelig logikk. Noen får ha meg unnskyldt, men dette kan ikke være noe annet enn ren og skjær populisme for å fri til dem som synes det er litt tungvint å ta på seg nye, moderne vester som er svært Dette er ufornuftig når det gjelder sikkerhet til sjøs, akkurat som det er ufornuftig å la være å innføre flere strekningsvise gjennomsnittsmålinger på norske veier. Jeg er stolt av å tilhøre et parti som setter liv og helse først, og som er villig til å innføre noen bagatellmessige restriksjoner for å få ned ulykkestallene, om de er til sjøs, eller om de er på landeveien. At SV har kommet i dette selskapet, synes jeg for så vidt er litt underlig, men det får så være. Jeg har sagt mye tidligere i denne debatten, men innlegget til Tor André Johnsen gjorde at jeg måtte opp igjen. Jeg synes det er viktig at representanter vet hva man stemmer for. Representanten Johnsen var tydelig på at man mente at innretningen som gjelder for båter mindre enn åtte meter, utendørs og i fart, er upresist.

Bruk av egnet flyteutstyr om bord I fritidsbåt med lengde mindre enn åtte meter skal personer under 16 år ha på seg egnet flyteutstyr ved utendørs opphold i båten når båten er i fart.» Representanten Johnsen må være klar over at det er den innretningen han selv skal stemme for i kveld. Så det er viktig å få med seg det.

Spørsmålet er om eit påbod om bruk av redningsvest er riktig veg å gå for å auke sikkerheita til sjøs. Det er det store spørsmålet her. Ettersom det er fleirtal i denne salen for å innføre denne lova – eg skal ikkje rippe opp igjen i min kritikk av ho – ønskjer eg å knyte nokre spørsmål til ho som eg håpar at dei som står bak

den gruppa som eg er ein del av? Og vil lova bli følgd opp av politimyndigheitene, eller vil det vere overlate til den enkelte å innrette seg etter lova? Eg trur dei spørsmåla avgjer suksessen til denne lova – om ho vil oppnå sin intensjon. Eg håpar djupt at ho aukar sikkerheita til tvil, og eg har også min ideologiske tvil om dette er vegen å gå for å skape sikkerheit generelt i samfunnet. Da skal ikkje eg starte ein ny diskusjon, men avslutte med

Ja, i mange samanhengar er det viktig å lytta til ekspertutval, men vår rolle som politikarar er jo på ein måte ikkje å sluka deira utsegner rått. Då kan me jo berre la ekspertane sitja her i salen. Me må jo bruka skjøn ut frå haldningar og utsegner til både mindretal og fleirtal i ei sånn ekspertgruppe, men samtidig søkja informasjon andre plassar. Det er nettopp det som ligg til grunn for Høgre sitt standpunkt i denne saka. Så er eg òg litt forundra over Freddy de Ruiter, som ikkje har fått med seg at det finst ei rekkje påbod og plikter for barn, som ikkje har fått med seg at det finst ei rekkje påbod og plikter for barn, som ikkje gjeld for vaksne, f.eks. barnesete i bil. Ein kan halda på og gestikulera med slike ting i det uendelege, men det lèt seg altså ikkje gjera. Men eit vestpåbod for barn er jo med på å sikra barns rettar og moglegheiter til å kunna vera trygge i båt. Else-May Botten kommenterte standpunktet til ein representant frå Framstegspartiet om ein båt er

noen kommentarer her, bl.a. fra Freddy de Ruiter, på at dette ikke er noen inngripen i den personlige friheten. Da registrerer jeg at representanten fra Arbeiderpartiet og jeg har en totalt forskjellig definisjon av hva som er offentlige myndigheters inngripen i personlig frihet. At stortingsflertallet med lov skal tvinge f.eks. meg til å måtte ha på redningsvest bare jeg ligger og flyter med strømmen på Mjøsa i den lille båten min, som jeg ikke har hatt tid til å bruke på flere år, er i hvert fall for meg en inngripen i min personlige frihet. Når man skal ligge og sole seg og slappe av og følger strømmen, da er man i fart. Du ligger og slapper av og koser deg, og så må du ha på redningsvest. At ikke det er en unødvendig inngripen i personlig frihet, er for meg helt ufattelig. en annen kommentar jeg fikk, fra Else-May Botten angående regjeringens forslag, vet vel også representanten fra Arbeiderpartiet utmerket godt at det ikke var vårt primærstandpunkt, vi ønsket overhodet ikke å innføre noe krav om bruk av redningsvest. Det var et forsøk på et kompromiss basert på debatten som var i Stortinget i juni i fjor. Det er derfor det forslaget er kommet – det er ikke noen andre grunner til det. Ellers har jeg lyst til å ta opp igjen noe fra replikken min til Senterpartiet i stad, om at forslaget favoriserer de rike. For det er jo litt interessant at om du kjøper en båt på over åtte fot – det er den trefotssyken som kanskje mange kjenner til, at du skal ha større og større båt – og har råd og mulighet til å kjøpe en større båt, omgår du jo dette litt morsomme, unødvendige og rare lovforslaget. Og som jeg sa i stad, er det absolutt ingen større mulighet til å kjøpe en større båt, omgår du jo dette litt morsomme, unødvendige og rare lovforslaget. Og som jeg sa i stad, er det absolutt ingen større fare for å drukne om du faller over bord fra en større eller fra en mindre båt. Faller du over bord, er muligheten for å drukne lik uansett, uavhengig av størrelsen på båten. Det synes jeg er litt viktig å få fram. Det viser også at forslaget som nå blir vedtatt, er lite gjennomtenkt. Men selv om forslaget er håpløst, og selv om det er lite gjennomtenkt, trøster jeg meg med at når det vi kaller agurktiden, kommer over dette redningsvestpåbudet, så skal i hvert fall ikke vi i Fremskrittspartiet bli hengt ut i media. Om et par år er dette allment akseptert, akkurat som setebelter i bil. Så vidt jeg vet, var det vel litt av den samme diskusjonen da det ble innført for mange, mange år siden. Det ble vel også, så vidt jeg husker, og har sett, gjenstand for litt av de samme diskusjonene med hensyn til frihet. Frihet må jo alltid balanseres opp mot effekten av bl.a. denne typen sikkerhetstiltak, og det tror jeg er fornuftig. Vern om liv er i så måte stikkord. Men tilbake til det som handler om forbilder, at vi voksne skal være forbilder for barn. Jeg har et Men tilbake til det som handler om forbilder, at vi voksne skal være forbilder for barn. Jeg har et spørsmål: Hva skal en svare barnet, eller ungdommen, på 15 år som spør: Mamma, hvorfor skal ikke du ha redningsvest på deg? Pappa, hvorfor skal ikke du ha redningsvest? Nei, det er fordi at på Stortinget har de vedtatt at vi som er over 16 år, skal slippe å ha vest. Eller skal man svare at vi trenger ikke vest, eller at vi er så gode til å svømme at vi trenger det ikke, Eller skal man svare at vi trenger ikke vest, eller at vi er så gode til å svømme at vi trenger det ikke, eller at risikoen for at vi skal drukne er ikke fullt så stor som risikoen for at du skal drukne? Det er en håpløs diskusjon. Det er nesten som å sette seg i bilen, feste barnet og ikke selv ta på seg setebeltet. Det vil barn heller ikke akseptere eller forstå. Nå ser det ikke ut som dette blir vedtatt, men kanskje dette kunne føre til at barn legger press på voksne om å bruke flytevest. Vi politikere bør i hvert fall ikke legge opp til en politikk som ikke gjør voksne til forbilder når det gjelder å bruke sikkerhetsutstyr, både i båt, i bil og på andre måter. Jeg tok den strenge nakken til

de gode resultatene som var kommet over år, er kommet ved at folk har tenkt seg om, endret holdning og blitt flinkere til å bruke redningsvest. Derfor har vi så mange færre døde nå, og derfor sier Norges Seilforbund at de vil gjerne fortsette det gode holdningsskapende arbeidet og la folk ta ansvar selv. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6. Fra

for å få framgang, slik at disse barna får sine grunnleggende rettigheter oppfylt. Den 17. mars var det nyvalg i Israel. Det var vel ingen god dag for alle oss som håper og tror at en tostatsløsning fremdeles er mulig. vant valget på å skremme med at araberne flokket seg til valglokalene, og ved å love at en palestinsk stat aldri ville se dagens lys med ham ved makten. Det har dessverre vært få lyspunkter i fredsprosessen, og for mange palestinere har situasjonen de siste årene gått fra vondt til verre. Jeg har selv vært i Palestina jevnlig de tolv siste årene, og det er mange sterke inntrykk, særlig inntrykk i møte med enkeltmennesker. Jeg besøkte en varm sommerdag en av de få palestinske familiene som fremdeles bor i sitt eget hus i den ulovlige bosettingen Beit Hadassah i gamlebyen i Hebron. Den ene datteren i familien hadde nettopp blitt utsatt for vold av bosettere som omringet huset deres. Hun kom med armen i fatle og hadde sydd mange sting i hodet. Mannen som hadde begått overgrepet, ble aldri straffet. Det ble ikke engang åpnet etterforskning. Vold mot palestinere fra bosettere blir ofte anmeldt, men to tredjedeler av de sakene blir henlagt uten noen som helst rettslig oppfølging. Senere på dagen var vi inne på basaren i gamlebyen. Da fikk vi se hvordan steinkastende palestinske barn ble Det kom en hel gjeng med soldater marsjerende gjennom trange gater. I midten gikk det tre gutter – de kan ikke ha vært mer enn 12–13 år. Alle guttene hadde et gevær som pekte mot bakhodet. Sånn ble de dyttet gjennom gamlebyen på vei til politistasjonen for å statuere et eksempel. Og mens jeg motløs så livredde gutter brutalt bli arrestert for steinkasting, tenkte jeg på bosetteren som hadde utsatt en liten jente for grov vold, og som fikk lov til å gå helt fritt omkring i den samme byen. Denne urettferdige forskjellsbehandlingen skaper en grobunn for motløshet og desperasjon, og det er i denne grobunnen at ekstremismen får gjødsel til å gro. De tre guttene som jeg var vitne til ble arrestert i Hebron, er ikke noe enkelttilfelle. Dette var bare ett av mange eksempler på systematisk fengsling av palestinske barn. Hvert år blir mellom 500 og 700 barn arrestert og tiltalt i israelske militærdomstoler. Det finnes ikke noe annet land, ifølge UNICEF, der barn systematisk stilles for militære ungdomsretter. Disse domstolene kan per definisjon ikke garantere for at barnas rettigheter blir respektert. Så er også Israel gjentatte ganger kritisert for brudd på Barnekonvensjonen. I februar 2013 lanserte UNICEF en rapport hvor de konkluderte med at bruddene på rettighetene til barn er omfattende, systematiske og

Men da FNs menneskerettskomité i november i fjor behandlet menneskerettighetssituasjonen i Israel, sa de nok en gang at komiteen anerkjenner at det har vært en positiv utvikling på papiret, men de er bekymret for at reformene ikke fører til endring i praksis og gjentok nok en gang kritikken. I februar i år kom UNICEF med en ny rapport, hvor de går gjennom de 38 anbefalingene de kom med for to år siden. Det er noen lysglimt. Det er små skritt i riktig retning, men fremdeles vil mange av tiltakene ikke komme barna til gode fordi de ofte er mistenkt for sikkerhetsbrudd, og da er de ikke omfattet av disse gode tiltakene. Eksempelvis sier Military Order 1745 at alle avhør av barn skal videoovervåkes, men det gjelder ikke der sakene omhandler sikkerhet, noe som f.eks. gjelder barn som kaster stein. Rapporten fra UNICEF viser også at mishandlingen av palestinske barn fortsetter. I perioden 2013 og frem til september 2014 gikk UNICEF gjennom 208 saker med palestinske barn i israelske fengsler. 171 av de barna sa at de var utsatt for fysisk vold, og 163 av barna sa at de ikke var blitt informert om sine rettigheter – særlig viktig er jo retten til advokat eller retten til ikke å snakke. Vi har fremdeles en lang vei å gå før de palestinske barna får oppfylt sine grunnleggende rettigheter. Det er grunn til å berømme både UNICEF, Military Court Watch, advokater og sivilt samfunn for den grundige jobben som gjøres for å dokumentere hva som skjer, og utøve press på Israel. Jeg har også lyst til å takke alle de norske organisasjonene som den siste tiden har drevet en kampanje om dette her hjemme. De har spredt kunnskap og engasjement for disse barnas rettigheter. Denne debatten dreier seg om at alle mennesker har noen rettigheter som ikke skal kunne brytes, og at barn har et særlig krav på beskyttelse. Men det dreier seg også om hvordan vi kan bidra til en fredelig løsning på konflikten. Å investere i barn og ungdom er å investere i framtiden. Det er disse barna som skal vokse opp og leve side om side med sine israelske naboer. Det er disse barna som jeg håper en dag kan realisere en tostatsløsning. Det sies at en god barndom varer livet ut, men altfor mange av disse barna har ingen god barndom å bygge videre på. På Gaza har barn som nå er ti gamle, allerede opplevd tre kriger – tre kriger hvor barn og sivile er dem som blir hardest rammet, kriger hvor det ikke er mulig å flykte fra bombene, fordi Gaza de facto er verdens største fengsel. Alle har på en eller annen måte mistet noen i familien eller noen de kjenner, og da krigen var over, var skoler og hjem lagt i grus, og det samme kan nok også sies om framtidshåpet for mange barn. På Vestbredden vokser barn opp og ser at landet deres stadig blir mindre, hjemmene blir revet ned av israelske myndigheter for ofte å gjøre plass til flere bosettinger, og hundrevis av barn blir altså hvert år fengslet og traumatisert. Emad Al-Rozzi har forsket på flyktningbarn og traumer. Han besøkte i fjor Globaliseringskonferansen i Oslo. Han fortalte om konsekvensene for mange av barna som ble arrestert. «Barna blir deprimerte. De mister interessen for å leke, kommunisere og sosialisere. De trekker seg unna andre, fra familien og venner. De har lav kommunikasjons- og konsentrasjonsevne. De mister også interessen til å le.»

tok jeg opp dette temaet med israelske myndigheter. Senest denne måneden har også statssekretær Bård Glad Pedersen tatt opp spørsmålet i sine samtaler i Israel. Jeg vil også vise til Meld. St. l0 for 2014–2015, Muligheter for alle – menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken. Denne meldingen er til behandling i utenriks- og forsvarskomiteen. Regjeringen slår her fast at det er et prioritert innsatsområde å arbeide for å beskytte barn i væpnet konflikt og å bekjempe vold mot barn. Barn og unge bør ikke fratas sin frihet. Fengsling uten rettmessig lov og dom er uakseptabelt. Når barn og unge fengsles uten lov og dom, er dette en dobbel urett. Når det likevel skjer, må barnas menneskerettigheter og rettssikkerhet respekteres, i tråd med relevante internasjonale konvensjoner på dette området. UNICEF, Military Court Watch, som interpellanten viser til, samt israelske menneskerettighetsorganisasjoner har alle gjort et detaljert og viktig arbeid med å dokumentere overgrep og brudd på grunnleggende prinsipper mot fengslede palestinske barn. Altfor mange palestinske barn blir arrestert hvert år. Det er også dokumentert at altfor mange av disse barna blir utsatt for vold og andre overgrep som ingen barn bør oppleve. UNICEF har lagt fram 38 forslag for å reformere det israelske militære fengselssystemet for å sikre at barnas rettigheter ivaretas. Utenriksdepartementet har over tid

Norge støtter israelske menneskerettighetsorganisasjoner som arbeider for palestinske barns rettigheter. Vi har også støttet et rehabiliteringsprosjekt i regi av Redd Barna og norske KFUM og YMCA i Øst-Jerusalem for palestinske barn som har sittet i israelske fengsler. Det israelske justisdepartementet fremholder på sin side at 70–75 pst. av alle lovbrudd begått av mindreårige på Vestbredden som Israel rettsforfølger, innebærer bruk av vold. Dette kan være kasting av stein eller molotovcocktails. Fra Military Court Watch har vi fått opplyst at selv om mange yngre barn også blir anholdt av israelske soldater, har ingen palestinske barn under 12 år, og heller ingen barn mellom 12 og 14 år, vært fengslet i 2014. Sju av åtte palestinske mindreårige i fengsel er mellom 16 og 18 år. Israelske myndigheter understreker i samtaler med Utenriksdepartementet at de legger stor vekt på barnas rettigheter. De opplyser at det har skjedd flere viktige endringer de siste årene, og at Israels riksadvokat har pålagt det israelske forsvaret å utvise den største forsiktighet i forbindelse med pågripelse av mindreårige på Vestbredden. UNICEF bekrefter også i sine rapporter – som interpellanten var inne på – at det har skjedd flere forbedringer i relevant israelsk regelverk og i instrukser. Av konkrete tiltak kan det nevnes at myndighetsalderen for palestinske barn i 2011 ble hevet til 18 år, i tråd med Barnekonvensjonen. Det er også innført en kortere foreldelsesfrist for lovbrudd begått av mindreårige. Videre er fengslingstiden for første rettsmøte begrenset, og det er innført tiltak som skal bedre varslingssystemet overfor foresatte samt informasjonen som gis til de mindreårige om deres rettigheter. De militære har også fått instrukser om å unngå arrestasjoner av barn om natten, noe som Norge også har vært opptatt av. Ifølge organisasjonenes tall er antallet barn fra Vestbredden i israelske fengsler halvert fra 2009 til 2014. Her viser det seg at internasjonalt press og press i regionen virker. De militære har også fått instrukser om å unngå arrestasjoner av barn om natten, noe som Norge også har vært opptatt av. Ifølge organisasjonenes tall er antallet barn fra Vestbredden i israelske fengsler halvert fra 2009 til 2014. Her viser det seg at internasjonalt press og press i regionen virker. Innskjerpingene av israelsk regelverk – og rundskriv – viser at internasjonal oppmerksomhet om grunnleggende menneskerettigheter har betydning og på bakken. Altfor mange palestinske mindreårige blir fortsatt fengslet. Organisasjonene rapporterer også fra sine undersøkelser at et flertall av de mindreårige svarer at de både er blitt utsatt for vold og ikke har fått møte verken foresatte eller advokat i forbindelse med avhør. Dette er ikke akseptabelt. Vi forventer at Israels egne målsettinger faktisk blir fulgt opp. Ansvarlige på politisk nivå må forsikre seg om at de på bakken iverksetter

Vi har bl.a. aktivt støttet opp om vedtaket i FNs generalforsamling av desember i fjor, hvor FNs generalsekretær ble bedt om å foreta en studie og kartlegging av forholdene for barn som er berøvet friheten. Denne studien skal nå igangsettes. Videre gir Norge støtte til generalsekretærens spesialrepresentant for vold mot barn og generalsekretærens spesialrepresentant for barn og væpnet konflikt samt frivillige organisasjoner både i Israel og i Norge som arbeider for å styrke rettssikkerheten til barn. Regjeringen vil fortsette å ta opp barnas situasjon med Israel, og vi vil fortsette vårt samarbeid med likesinnede land for å fremme respekt for de internasjonale konvensjonene på området. Jeg har lyst til å

Jeg er også glad for at utenriksministeren nevnte sivilt samfunn i Israel, for Norge er et av de landene i Europa som bidrar mest for å støtte opp om NGO-er i Israel som jobber for menneskerettigheter og for å belyse situasjonen på Vestbredden. Sannheten er at mange israelere ikke er godt kjent med hva som skjer på Vestbredden, og det er i seg selv viktig for å få en framgang i fredsprosessen at det blir mer informasjon.

når vi vet at veldig mange av tiltakene ikke vil gjelde saker som omhandler sikkerhet. Jeg er glad for at utenriksministeren nevner at det viktigste her er ikke hva man skriver på papiret og hvilke instrukser man gir, men at man får endring på bakken. Det understreker bare at det er nødvendig med fortsatt internasjonalt press, og at mange drar i riktig retning. Tallene jeg refererte til i mitt hovedinnlegg, som er fra, senest, september 2014, viser at veldig mange av disse fremdeles blir utsatt for vold og blir presset til å skrive under på dokumenter som de ikke aner hva er, og uten at det er noen advokat til stede. Da er det kanskje heller ikke så rart at prosentandelen som blir dømt, er meget høy. Jeg har til slutt lyst til å si at kjernen i denne debatten handler om okkupasjonen og de ulovlige bosettingene. Uten okkupasjonen ville ikke disse barna vært i fengsel. Vi vet også at veldig mange av disse barna blir arrestert i nærheten av bosettinger. Det kan synes som om man driver en av barn, også for å skremme den palestinske sivilbefolkningen fra å protestere mot bosettingene. Disse barna får også ofte en dom som gjør at de slipper ut, men hvis de gjør noe tull de neste tre årene, blir de satt i fengsel og kan bli dømt til over 20 års fengsel for f.eks. steinkasting. Vi kan godt diskutere om steinkasting er lurt, men 20 år i fengsel kvalifiserer det neppe til.

er det som er avgjørende å få på plass. Jeg deler også interpellantens syn på at det kan virke som om dette blir vanskelig i månedene fremover, men jeg har merket meg at statsminister Netanyahu nå har presisert sine uttalelser igjen slår fast at han har et ønske om en tostatsløsning. Så får vi se om dette manifesterer seg i en reell vilje til å gjenoppta forhandlingene med palestinerne om en tostatsløsning. Uten et politisk spor og uten en politisk prosess er jeg redd for at vi får flere eksempler på både vold og sterke frustrasjoner, ikke minst blant barn og unge på Vestbredden – som igjen vil øke det problemet som interpellanten tar opp i dag. Det er ikke bærekraftig å fortsette som i dag, og jeg appellerer til den nye israelske regjeringen om umiddelbart å frigjøre de skatteinntektene som palestinerne ikke har fått tilgang på i de siste månedene, som igjen gjør at de palestinske selvstyremyndighetene har store økonomiske utfordringer. Da jeg snakket med president Abbas for noen dager siden, sa han at man også vil måtte forvente at sikkerhetssamarbeidet med Israel oppheves hvis disse pengene ikke blir utbetalt. Jeg vet at det er

Det er jo sent på kvelden, og denne debatten får kanskje ikke den oppmerksomhet den egentlig hadde fortjent, men jeg håper at dette blir en av mange debatter som Stortinget skal ha i løpet av dette året, om hva som kan være vårt bidrag til den fryktelig fastlåste situasjonen vi ser i Midtøsten. I dag er det en uke siden det israelske folket gikk til valg, og etter å ha fulgt israelsk politikk gjennom mange år skal jeg innrømme at jeg ikke hadde veldig mange positive tanker om hva som kunne komme ut av det israelske valget. Jeg så ingen grunn til optimisme. Allikevel satt jeg – og fryktelig mange verden over – igjen med en følelse av enorm skuffelse etter at valget var over, for det valget var en enda tydeligere stadfestelse av håpløsheten i konflikten enn det mange hadde sett for seg. Jeg ser i dag at Netanyahu beklager sin skremsel om at arabere brukte stemmeretten sin. Det er helt på sin plass å kalle det et veldig uakseptabelt utspill, men det triste var jo at utspillet virket etter sin hensikt – han gjorde et brakvalg. Han gikk ut rett før valget og lovte at under hans ledelse skulle det aldri bli noen palestinsk stat. Det var et brutalt ærlig utspill fra Israels statsminister, og dersom han mener alvor noen palestinsk stat. Det var et brutalt ærlig utspill fra Israels statsminister, og dersom han mener alvor – nå ser jeg at han har moderert seg noe, men med den politikken han fører, er det jo all grunn til å tro at han mener alvor – kreves det nytenking i det internasjonale arbeidet. I dette bildet av skuffelse, håpløshet og frustrasjon er det lett å miste motet, det er lett å tenke at det ikke nytter. Det kan vi aldri tillate oss å gjøre. Vi må være utålmodige for rettferdighet. Vi kan aldri

For uavhengig av hvilken tone man mener Norge bør ha i konflikten, uavhengig av hva man mener bør være de politiske kravene til partene, burde dette kravet være noe som vi enkelt kan samle oss om: Barn i fengsel må sikres grunnleggende rettssikkerhet og menneskerettigheter. Dagens politikk overfor palestinsk barn i israelske fengsler er ikke akseptabel, og jeg er glad for at ministeren slår det så tydelig fast, og at han har tatt det opp med sine israelske kolleger. Jeg har lyst til å trekke fram én spesiell gruppe, og det er unge palestinske aktivister som blir satt i fengsel – noen av dem også under 18 år. Da jeg var i AUF, fikk jeg mange unge palestinske venner, ungdomspolitikere jeg møtte rundt leirbålet på Utøya og på seminarer i Ramallah, progressive, moderne ungdommer med et stort engasjement for frihet for sitt folk. I dag sitter mange av dem i fengsel i Israel. En av dem jeg har fulgt gjennom mange år, er Hussam Shaheen. Han var et ungt, progressivt politisk talent. Han skulle bli leder i Fatah Youth. Nå har han sittet 15 år i fengsel for sitt engasjement for sitt folk. Jeg vil, gjennom utenriksministeren, takke våre dyktige utsendte, både på ambassaden i Tel Aviv og på Det norske representasjonskontoret til Palestina, for at de har fulgt opp hans sak og andre palestinske fangers sak, både gjennom møter i rettssaker og gjennom besøk i fengsel. Det er en viktig måte Norge kan følge opp vår bekymring for fengsling av unge politikere på. Fengsling av politikere og bruken av administrativ forvaring, som gjør at man kan holde folk i fengsel uten lov og dom, er uakseptabel, og jeg vil gjerne høre mer om hvordan utenriksministeren mener at vi kan fortsette å engasjere oss for dette. Fengsling av politiske fanger er selvsagt alvorlig fordi det ikke hører hjemme i et demokrati, men det er spesielt alvorlig fordi man på den måten fengsler det som skal være Palestinas framtid, de som skal være deres håp. Ungdom vokser i dag opp i et samfunn hvor generasjoner har levd under okkupasjon. At man da velger å engasjere seg på fredelig måte og jobbe for progressive løsninger, er imponerende. Når da altfor mange av dem blir møtt med vold og arrestasjoner, mister en hel generasjon håpet. Vi vet at progressive krefter i Palestina er under press, fordi deres løsninger ikke har nådd fram. Vi må gi dem den støtten de trenger – fordi de fortjener det, men også fordi det er det som gjør Israel tryggere hvis progressive krefter vinner fram. Mens vi sitter her, forandrer fakta på bakken seg hver eneste dag. Jeg ser fram til flere debatter i denne sal om hva som kan være Norges bidrag i en fryktelig fastlåst situasjon. Interpellanten har tatt opp et viktig tema, for det at barn tiltales og dømmes i militære domstoler, er

De fleste av barna er fengslet etter å ha kastet stein, som vi også har hørt, mot israelske okkupasjonsstyrker på Vestbredden. Ifølge Military Court Watch ender mer enn 99 pst. av sakene for militærdomstolen med domfellelse. FNs komité for beskyttelse av barn har altså rettet skarp kritikk mot Israel for fengslingen av palestinske barn. Barna som er pågrepet av militære og politi, blir jevnlig utsatt for nedverdigende behandling, ofte tortur, og avhør som foregår på hebraisk – et språk de ikke forstår. De må også undertegne tilståelser på hebraisk for å bli løslatt, heter det i en rapport fra komiteen fra 2013. FN-rapporten konkluderer med at barn som kommer i kontakt med israelsk militærrett, konsekvent og systematisk mishandles gjennom hele rettsprosessen, fra arrest, via forhør til eventuell domfellelse. Som vi hørte utenriksministeren si, har Norge gjentatte ganger protestert mot praksisen, både direkte overfor Israel og i internasjonale fora som FNs menneskerettighetsråd. FNs barnekonvensjon understreker at alle barn har grunnleggende rettigheter knyttet til overlevelse, deltakelse, utvikling og beskyttelse mot diskriminering. Barnekonvensjonens artikkel 37 sier at barn ikke skal utsettes for tortur eller vold. Norge må fortsette å arbeide for beskyttelse av barn i væpnede konflikter og bekjempelse av vold mot barn, og som utenriksministeren sa, jobber Norge aktivt for en styrking av Barnekonvensjonen. Barnekonvensjonen er ratifisert av nesten alle land i verden, men en rekke land har tatt omfattende forbehold. I de senere årene har det vært en positiv utvikling på sentrale områder som utdanning og overlevelse. Like fullt er realiteten, 26 år etter at konvensjonen ble vedtatt, at svært mange barn lever et liv langt unna de standarder som settes i Barnekonvensjonen. Vi ser dessuten en gruppe likesinnede stater som bevisst undergraver FNs menneskerettighetsarbeid. Disse kreftene må vi gjøre alt vi kan for å motkjempe. Derfor er det viktig at vi bygger allianser, bredt og på tvers av regioner, som kan kjempe mot systematiske menneskerettighetsbrudd. Myndighetene må stilles til ansvar for å innfri barnas menneskerettigheter i eget land, gjennom lovverk og institusjoner. Barn og unge må beskyttes mot å bli rekruttert til væpnede styrker og mot vold, overgrep og utnyttelse. Samtidig må myndigheter prioritere ressurser for å innfri barns rett til liv, utvikling, helse og utdanning. Det må målrettes tiltak mot de fattigste og de mest marginaliserte barna, og man må la barn og unge få delta, ytre seg og organisere seg slik at de selv kan fremme sine interesser og definere behovene sine. Det er bra at den første menneskerettighetsmeldingen på 15 år, som snart skal debatteres i denne sal, setter menneskerettigheter i kjernen av all utenriks- og utviklingspolitikk. Meldingen er tvingende nødvendig og betimelig. Grunnleggende menneskerettigheter er under økende press internasjonalt. Barn og ungdoms deltakelse er en god investering i fremtidige aktive borgere som kan hevde sine rettigheter sosialt, økonomisk og politisk. Regjeringens storsatsing på utdanning i utviklingspolitikken vil dessuten bedre realiseringen av barns rettigheter – både mulighet til medbestemmelse og til å gi barna kunnskap om menneskerettighetene. Vi må bidra til at alle barn får de samme mulighetene til å begynne på og å fullføre skole, og til at alle barn og unge lærer grunnleggende ferdigheter og rustes for livet. Norge skal også være en pådriver for at internasjonal humanitærrett respekteres slik at militarisering og angrep på skoler og universiteter stanses, bl.a. ved å ta en lederrolle i arbeidet med å fremme Lucens-retningslinjene internasjonalt. Vi kan ikke kompromisse med barns rettssikkerhet. Jeg er helt enig i at vi må fortsette presset på Israel og andre land som bryter internasjonale konvensjoner.

men kan også spille en rolle framover i det store politiske bildet, der bl.a. SV nå har tatt initiativet til at vi skal godkjenne Palestina. Situasjonen virker ganske fastlåst. Det har utenriksministeren forklart, og interpellanten og flere av de andre som har vært oppe og snakket her, har også beskrevet situasjonen nå som ganske fastlåst. I den situasjonen er det spørsmålet om de palestinske barna Det er kanskje en av de helt konkrete tingene vi kan gjøre noe med, også på ganske kort sikt. Det er ikke lett å se en løsning på de andre tingene, sjøl om vi må fortsette å jobbe med dem også. Situasjonen er alvorlig. Jeg tror situasjonen også oppstår som en del av en strategi for å skremme og for å gjøre det vanskelig for palestinerne å bo i det området som er deres, og at man rundt bosettingene bruker en systematisk arrestasjon av palestinske barn som en taktikk for å holde befolkningen i sjakk. Det kan få konsekvenser for livet for disse barna, også fordi de selvfølgelig blir skremt fra å være politisk aktive og ta del i det som er en selvfølgelig demokratisk rett ethvert menneske må ha, nemlig retten til å jobbe politisk for det man mener. Statsråden sier at internasjonalt press virker, og det tror jeg også at det gjør. Jeg tror internasjonalt press virker. Men det må følges opp – hele tiden. Det som har skjedd i disse sakene, er jo at israelske myndigheter har endret deler av regelverket sitt knyttet til hvordan man skal ivareta barn, hvordan arrestasjoner skal foregå – hvis de foregår. Spørsmålet er om dette fører til en endring av praksis på bakken. Blir de nye instruksene fulgt? Det er der vi kan gjøre noe fra norsk side i tillegg til det som har vært sagt i dag, nemlig ved å støtte sivilsamfunnsorganisasjoner, men også Military Court Watch eller andre frivillige organisasjoner, som

dommer. Jeg kunne tenke meg å spørre utenriksministeren om han helt konkret kan se at en veldig viktig del av det vi kan gjøre, er å sørge for at det rett og slett er ressurser til å gjøre dette arbeidet – at det er noen internasjonale øyne som har kompetanse, som er til stede og kan følge med og sørge for at lovverket, etter hvert som det kommer på plass, blir fulgt. Det er mange ting man kunne ha sagt om situasjonen på de okkuperte områdene, Vestbredden og Det er mange ting man kunne ha sagt om situasjonen på de okkuperte områdene, Vestbredden og Gaza, men jeg skal ikke gjøre det nå. Og det er veldig mange ting vi bør gjøre. Men en av de tingene vi faktisk kan gjøre, og som jeg tror vi kan gjennomføre uten at vi får problemer med det, er nettopp å sikre at disse barna har hjelp med seg når de blir arrestert, og under rettssakene de blir utsatt for. Det er en praktisk løsning som Norge kan bidra til å få til ganske umiddelbart. Jeg hadde i utgangspunktet ikke tenkt å delta i debatten, men det

på den ene parten, altså Israel. Jeg er ikke den som nødvendigvis skal forsvare alt staten Israel gjør, men jeg synes det er underlig at man ikke snakker om bruken og misbruken av barn fra motpartens side. Vi vet hvordan f.eks. terrororganisasjonen Hamas bruker barn helt kynisk i sin kamp mot staten Israel og det jødiske folk,

har full stemmerett – noe som skulle være en selvfølge, men heldigvis har de det – nå har tatt et valg. Da bør vi som folkevalgte i Norge i høyeste grad respektere det og forholde oss til den til enhver tid sittende israelske regjering og også vise noe større forståelse for at Israel er et land som er under konstant trussel, en trussel fra visse nabostater, og ikke minst fra terrororganisasjoner. Så jeg håper at man kan ha en noe mer balansert debatt som viser at det er to sider i denne konflikten. Det er to sider som lider i denne konflikten. Det er da vanskelig å sitte stille og høre på at man angriper det ene demokratiet, rettsstaten, mens den andre parten, som helt kynisk bruker barn som levende skjold, ikke

Så en visitt til siste innlegg og representanten Wiborg. Jeg mener at vi må stille høye krav til det som representanten Wiborg selv sier er en rettsstat og et demokrati. Jeg synes det er en fallitterklæring dersom det ikke er lov til å kritisere Israel uten å kritisere alle andre overgrep som blir gjort mot barn. Jeg vil bare understreke at jeg tar avstand fra enhver utnyttelse av barn, men jeg mener vi gjør Israel en bjørnetjeneste hvis vi ikke kan kritisere systematiske brudd på barns rettigheter, når landet er et demokrati og en rettsstat, som de sier selv. Jeg er glad for at utenriksministeren har valgt en annen tone i denne debatten enn representanten fra Fremskrittspartiet. Jeg har lyst til å prøve å oppsummere debatten. Jeg har vært mye på besøk i både Palestina og Israel. Det jeg synes er noe av det mest skremmende, er utviklingen hvor verdenssamfunnet på mange måter vender seg til okkupasjonen, at den blir normalisert, og at det fører til at mange unge mennesker mister håp – håpløsheten tar over. Da begynner det å bli farlig.

tostatsløsningen. Senest i dag har vi fått nye signaler fra USA, fra Obamas stabssjef, som tydelig signaliserer at okkupasjonen må ta slutt. Jeg er enig med Karin Andersen. Jeg tror internasjonalt press virker. Jeg tror også representanten har et godt poeng når hun påpeker at det er mulig for Norge å gjøre praktiske endringer på bakken ved å støtte israelske organisasjoner som jobber for menneskerettigheter og fred.

Det å kunne få på plass tostatsforhandlinger igjen blir helt avgjørende. Det vil være den eneste løsningen for å hindre mer politisk uro og for å skape håp i regionen. Norge leder giverlandsgruppen for Palestina og har gjort det siden Oslo-prosessen i 1993. De av oss som besøkte dette området på slutten av 1980-tallet og reiste inn i Ramallah og på Vestbredden – hvor det ikke var statsinstitusjoner i det hele tatt, hvor det var ganske stor mangel på det meste – har sett at det i årene som har gått etter det, er bygd opp mye viktig både i Ramallah og rundt de palestinske selvstyremyndighetene. Så de som sier at det ikke har kommet noe ut av Oslo-prosessen, er jeg uenig med. Det som er rammeverket for en fremtidig palestinsk stat, er lagt der. Da jeg hadde samtaler med president Abbas for noen dager siden, var det også et sterkt ønske om at de internasjonale giverne skal fortsette å bidra, slik at de palestinske selvstyremyndighetene har mulighet til å bygge videre på dette grunnlaget. Hvis Norge skulle gå til en ensidig anerkjennelse – som enkelte har tatt til orde for – kommer ikke palestinerne gjennom en slik anerkjennelse noe nærmere en selvstendig stat. Vi så at Sverige gjorde dette og saken har ikke flyttet seg en millimeter. Det eneste Norge kan oppnå gjennom å bruke anerkjennelsesinstituttet, er at vi ikke vil ha de samme mulighetene gjennom giverlandsgruppen, hvor vi nå gjennomfører en viktig dialog, ikke minst mellom palestinske myndigheter og israelske myndigheter. Søndag hadde jeg en lang samtale med den israelske hvor vi nå gjennomfører en viktig dialog, ikke minst mellom palestinske myndigheter og israelske myndigheter. Søndag hadde jeg en lang samtale med den israelske utenriksministeren, Avigdor Lieberman. Jeg gjorde det helt klart at israelerne nå må utbetale skattepengene til palestinerne. Dette har jeg også tatt opp med EUs høyrepresentant, og vi har innkalt til et nytt møte i giverlandsgruppen i Brussel i mai for å diskutere disse spørsmålene. Den rollen er det viktig at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

Videre vil jeg også takke komiteen for samarbeidet. Vi har gått noen runder, men jeg synes vi lander saken på en god måte her i dag. Dessverre er det sånn at vi har uforholdsmessig mange drukningsulykker i Norge. Gode svømmeegenskaper er avgjørende for å forebygge denne dystre statistikken, og jeg er derfor glad for at vi nå får på plass en handlingsplan for å sikre at barn og unge har gode svømmekunnskaper og -egenskaper. Jeg ser fram til hva man skal legge inn i en sånn plan, for det er ingen tvil om at det trengs en innsats på området, og det er mange gode krefter som både kan og ønsker å bidra i så måte. Debatten som løftes når vi skal diskutere dette temaet, viser at det er stor interesse, og at det er mange aktører som er interesserte og som har kunnskap på området. Jeg håper at statsråden vil vurdere hvorvidt og i hvilken grad man kan bruke frivillige lag og organisasjoner for å styrke barn og unges svømmekunnskaper og å lære dem å trives i vann, ikke minst. Som sagt har det vært et stort engasjement også i mitt parti rundt dette spørsmålet, og vi har arrangert et lite miniseminar her på Stortinget med dette som tema. Det viste oss at det er veldig mange som har et sterkt engasjement og som har mye kunnskap på området, og jeg håper at vi kan bruke dem når vi skal jobbe med disse sakene videre. Det å lære barn og unge svømme er ikke bare et ansvar som ligger hos det offentlige. Også foreldrene har et viktig ansvar her, for vi lever i et land med en langstrakt kyst, og vannet er en naturlig del av vår hverdag, og da er det viktig at foreldrene tar del i det å lære ungene sine å svømme og trives i vann. Men for dem som ikke lærer å svømme hjemme, er det viktig at de lærer det på skolen. skolen. Derfor er vi også fornøyde med at regjeringen har tatt initiativ til å revidere læreplanen i kroppsøving sånn at vi får tydeliggjort hva det innebærer å være svømmedyktig. Jeg er glad for at komiteen her peker på det nordiske kravet til svømmedyktighetsmerket som en standard som kan legges til grunn for det med svømmedyktighet. I Venstre mener vi også at det med selvberging må være en del av De fleste drukningsulykker skjer jo utendørs som følge av fall fra land, brygge, båt eller under bading, og mange av dem som drukner, kan svømme. Derfor er det av betydning at man lærer å svømme med klær på, at man lærer å være i kaldt vann, og ikke minst er det viktig med kunnskap rundt sikkerhet når man oppholder seg i så tidlig som mulig, og vi i Venstre er glade for at vi fikk med Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene i budsjettforliket på en tilskuddsordning for svømmeopplæring i barnehagene. svømmeopplæring i barnehagene. Det å svømme handler ikke bare om å få ned antall drukningsulykker, selv om det selvfølgelig vil være det viktigste. Det å svømme handler om å være trygg i vann, det handler om å lære å like å være i vann, og det er et viktig utgangspunkt for fysisk aktivitet og for bedre folkehelse. Skal unger lære seg å svømme må vi ha

Neste taler er representanten

Dette er selvfølgelig ikke godt nok – og derfor forslaget fra oss. I oktober hadde vi en god interpellasjonsdebatt om dette, fremmet av Venstres Abid Q. Raja. Jeg har ikke tid til å referere hele den debatten i dag, men la meg sitere noe av det Venstre sa den gangen: «Nasjonen vår trenger et svømmeløft – et svømmeløft som inkluderer opplæring i hvordan berge seg selv og andre i utendørs Venstre sa den gangen: «Nasjonen vår trenger et svømmeløft – et svømmeløft som inkluderer opplæring i hvordan berge seg selv og andre i utendørs vannmiljøer.» Videre ble det sagt: «Venstre registrerer med stor spenning og glede at flere andre partier også har løftet denne problematikken nå, både Senterpartiet og Arbeiderpartiet har fremmet Dokument 8-forslag, og jeg vil rose forslagsstillerne for initiativet. Og med et samlet mål om at vi ikke har noen å miste i drukningsulykker, er jeg styrket i troen på at Stortinget vil bli enig om noe Vi må vedta noe vi mener er et minimum, mener jeg. Vi i Venstre vil jobbe med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, som har fremmet to Dokument 8-forslag, og med andre partier som ønsker å vedta noe substansielt.» Jeg anbefaler alle som er opptatt av denne saken, å lese den debatten. Der står det mye bra. Men hva skjer? Hva mener egentlig Venstre nå, fem måneder etter interpellasjonen? Det er gode ord fra Venstres Nybø i dag også, men hvor ble det av alle gode intensjoner, hvor ble det av samarbeidet for å få til et flertall, som ville ha betydd at vi virkelig kunne fått fart på dette arbeidet? Vi anbefaler også Kristelig Folkeparti å lese hva de sa i den debatten og hva de nå er med på i komitéinnstillingen. I en merknad i innstillingen kan vi lese Komiteen ser fram til resultatet av ein slik handlingsplan, og strekar under at han også må innehalde ei tydeleggjering av læreplanmålet om symjedugleik, slik at planen er i tråd med faglege råd.» Jeg presiserer at dette er men når vi fremmer forslag om å utarbeide en nasjonal handlingsplan, er det kun Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV som står bak det. Dette er ikke til å forstå. Mener Høyre, Fremskrittspartiet og ikke minst Kristelig Folkeparti og Venstre at vi skal ha en nasjonal handlingsplan, eller mener de det ikke? Og jeg spør igjen: Hvor ble det av alt det Venstre snakket om i oktober? Under behandlingen av denne saken har vi hatt møte med bl.a. Norges Livredningsselskap og Redningsselskapet. De har gitt mange gode, viktige og nyttige innspill. De har mange gode forslag til hvordan en kan gjøre svømmeopplæringen mye bedre, og det er viktig å involvere dem og andre frivillige organisasjoner, som Svømmeforbundet, i det videre arbeidet med denne saken. Vi må gjøre hva vi kan for å unngå at menneskeliv går tapt i sjøen. De understreker bl.a. viktigheten av at svømmeopplæring også må foregå utendørs for å være drukningsforebyggende. Arbeiderpartiet mener at vi må tydeliggjøre læreplanmålene om svømmedyktighet i tråd med faglige råd, og svømmeopplæringen kan ikke avsluttes før alle som har forutsetning for det, kan svømme i henhold til målene i læreplanen. Vi mener også at regjeringa må innrette statlige garantiordninger og rentekompensasjonsordninger for svømmeanlegg slik at det blir prioritert i kommunene. Det er fortsatt ikke for sent for Kristelig Folkeparti og Venstre å stemme for dette i dag. Jeg tar med dette opp de forslag som Arbeiderpartiet fremmer i saken. Representanten Tone Merete Sønsterud har tatt opp de forslagene hun

Derfor er det positivt at det er bred enighet i komiteen i denne saken, og at en samlet komité står bak hovedlinjene i innstillingen. Dette er en sak hvor kunnskapsministeren allerede har tatt affære. Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å sende på høring forslag som skal tydeliggjøre kompetansemålene i svømming, slik at det etableres en felles forståelse av hva svømmedyktighet er. Jeg mener dette er et viktig signal til skolene, slik at de vet hvilke målsettinger de skal legge opp svømmeundervisningen etter. Det holder ikke bare å kunne holde seg flytende i vann, og dette gjenspeiler seg i Utdanningsdirektoratets forslag. Det inneholder konkrete målsettinger. La meg nevne noen: å kunne svømme hundre meter på magen og å kunne dykke og plukke opp en gjenstand fra bunnen. Forslaget bygger på tradisjoner i norsk og internasjonal beskrivelse av hva svømmedyktighet er. Jeg har merket meg at Svømmeforbundet er veldig positive til dette forslaget om en konkret forståelse av hva skolen skal legge i begrepet Sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre er regjeringen enig om å sende på høring et forslag om en ferdighetsprøve i svømming. Jeg ser frem til kommunenes og organisasjonenes svar på dette. Vi trenger alle gode forslag til hvordan styrke svømmeundervisningen. Da må vi også vurdere om vi har gode verktøy for å vurdere om elevene har lært å svømme godt nok. I statsbudsjettet for 2015 er det lagt inn 7 mill. kr for svømmeopplæring rettet mot nyankomne minoritetsspråklige barn og unge. Vi må målrette innsatsen slik at vi når de elevene som av ulike årsaker ikke lærer å svømme. Mange nyankomne minoritetsspråklige elever har kanskje ikke lært å svømme i hjemlandet og har kanskje heller ikke foreldre som kan lære dem å svømme. Da er det viktig at skolen fanger dem opp, slik at de lærer denne livsviktige ferdigheten. Disse målrettede midlene skal bidra til nettopp det. Jeg er også svært fornøyd med at vi har styrket rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg. Nå ligger ballen på skoleeiers banehalvdel, og jeg håper de benytter anledningen til å bygge og vedlikeholde gode svømmeanlegg. For regjeringen og vi på Stortinget skal gjøre vårt i denne saken, men vi er også avhengige av at kommunene gjør sitt. Jeg opplever en stor vilje fra mange hold til nettopp det. Ikke alle lærer å svømme på skolen, samtidig som mange lærer å svømme kun på skolen. Det understreker behovet for et tett samarbeid med foreldre og frivillige organisasjoner. Jeg tror nøkkelen ligger nettopp her. Vi må legge til rette for at alle gode krefter som kan bidra,

klasse. Undersøkelsene er utført av Norsk Folkehjelp, Gjensidigestiftelsen og Norges Svømmeforbund. Forslagene viser bl.a. til en rapport som er utarbeidet av Fylkesmannen i Aust-Agder, som viser at norske skoler ikke oppfyller opplæringslovens krav til svømmeundervisning. Å være trygg i vann og å kunne svømme er viktig, både for egen sikkerhet og for å redde andre dersom man kommer opp i en situasjon der medmennesker trenger livreddende hjelp. Ifølge statistikk fra Norsk Folkehjelp, som jeg sjekket senest i dag, druknet 110 personer i 2014, og statistikken viser at det til nå i år har druknet sju personer. De fleste drukner ved å falle ut i vannet ved brygga, fra båten eller ved at de går gjennom isen. Vi ser også at færrest drukner ved bading, og at de fleste som drukner, er menn fra 40 år

Jeg er derfor glad for at vi endelig har fått en regjering, og samarbeidspartier, som viser handlekraft og følger opp med tydeligere kompetansekrav i svømming. Det styrker undervisningen og dermed også svømmeferdighetene til barn og unge, og er noe bl.a. Svømmeforbundet har arbeidet for i mange, mange år. Fremskrittspartiet er også svært fornøyd med at komiteen er samlet om at det skal utarbeides en nasjonal handlingsplan for å bedre barns svømmeegenskaper. Komiteen ber også regjeringen om å sende ut et høringsforslag om å innføre en nasjonal ferdighetsprøve i grunnskolen og komme til Stortinget på egnet måte med saken. Det ser Fremskrittspartiet fram til. Fremskrittspartiet er fornøyd med at regjeringen har utvidet rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg. Det gjør det lettere for kommunene å investere i basseng og ikke minst sørge for at det er vann i bassengene, slik at ungene faktisk får mulighet til å være i Landet rundt gjøres det mye positivt, og det tilbys alt fra babysvømming til seniorsvømming. Selv benytter jeg meg av muligheten til å ta mine barnebarn med på familiebading på lørdager. Det er en fryd å se hvordan både mine små og store koser seg i Samtidig som disse ungene har det greit og koser seg, legger de også grunnlaget for gode svømmeferdigheter. Jeg håper at flest mulig får den muligheten, og det mener jeg at regjeringen har lagt godt til rette for med rentekompensasjonsordningen. Dessverre ser vi at det drukner flere barn og De er ofte ikke vant til den frie leken i vann som mange nordmenn er oppvokst med. Derfor er det svært positivt at regjeringen i budsjettet satte av midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige. For unger med minoritetsbakgrunn er det videre svært viktig at vi setter klare krav til skolene og kommunene om at alle har lik rett til svømmeundervisning. Her bør Norge gå foran som et godt eksempel og sørge for at alle unger, enten det er jenter eller gutter, kan leke og svømme sammen, uavhengig av religion, sosial bakgrunn eller andre faktorer. I sum er jeg sikker på at regjeringens tiltak er viktige og rette skritt på veien for å få en bedre svømmeundervisning som vil gjøre at stadig flere barn og unge blir svømmedyktige. Det er
Neste taler er representanten

fagmiljøene. Men så langt har vi ikke maktet å gjøre ord til handling. Mange kommuner og skoler nedprioriterer svømmeopplæringen, og det kan nok være mange grunner til det. Det handler om tilgang på svømmeanlegg, det handler om tilgang på kvalifiserte og det handler om at svømmeopplæringen kan være relativt ressurskrevende. Annenhver tiåring kan ikke svømme godt nok. Et tilsyn som ble utført ved 19 skoler i 9 forskjellige kommuner i 2013, avdekket at mange kommuner har for dårlig kvalitet på svømmeopplæringen. Et av problemene er at de som underviser i svømming, ikke er flinke nok i svømming, dykking og Et annet problem er at mange kommuner mangler et system for å vurdere om kravet til forsvarlig svømmeopplæring er oppfylt. Av de ni kommunene som ble omfattet av tilsynet, var det bare en kommune som hadde et slikt system på plass. Det er for dårlig, og det er skoleeiers, altså kommunenes, ansvar å sørge for at kravene i opplæringsloven og forskrift til loven blir oppfylt. Vi kan ikke akseptere at svømmeopplæringen prioriteres ned. Det er viktig at barn lærer å svømme, og det handler om flere ting. Det handler om folkehelse. Det å kunne svømme og bevege seg trygt i vann er en god form for trening og mosjon. Det handler om trivsel og livsutfoldelse. Lek og aktivitet i vannet er en viktig del av hverdagen for mange i Norge, kanskje spesielt langs kysten, og kanskje spesielt i

Vi har ikke klart å gjøre ord til handling, men nå har vi endelig kommet oss litt videre i arbeidet med å sikre alle barn skikkelig svømmeopplæring. Jeg vil også gi ros til Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som er de som nå har løftet denne viktige saken. Da Kristelig Folkeparti for to år siden, i 2013, foreslo å innføre en nasjonal ferdighetsprøve i svømming, var det kun Kristelig Folkepartis representanter som stemte for. Alle andre stemte imot. Men nå har de fire samarbeidspartiene blitt enige om at et slikt forslag skal sendes på høring, og hele komiteen stiller seg bak det. Jeg vil derfor også gi ros til Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre for at de har endret oppfatning i dette spørsmålet, og at de nå har gått med på det som Kristelig Folkeparti har jobbet for lenge. Ved å innføre en nasjonal svømmeprøve hever vi terskelen for å nedprioritere svømmeundervisningen. Jeg mener at vi også bør innføre et krav om at svømmeopplæringen ikke kan avsluttes før alle de elevene som har forutsetninger for det, har lært å svømme. På den måten legger vi et økt press på kommunene, slik at de blir nødt til å følge opp det ansvaret de allerede har i dag for å gi elevene god opplæring i svømming.

midler til svømmeopplæring i barnehagen – det har vært et godt og viktig innspill fra Venstre – penger til svømmeopplæring for minoritetsspråklige, i tillegg til en prosess for å revidere læreplanen i kroppsøvingsfaget for å konkretisere kompetansekravene som må oppfylles innenfor svømmeopplæringen. Det er avgjørende at barn faktisk er i stand til å svømme, og ikke bare holde seg flytende i vannet eller svømme åtte–ti meter. Dette er gode tiltak. Da representanten Sønsterud siterte fra komitémerknaden, stoppet hun litt tidlig. Hun droppet dette med å få en ferdighetsprøve og å få et forslag om dette sendt på høring. Dette er et viktig gjennomslag for Kristelig Folkeparti. Og så stiller hun spørsmålet: Ønsker Kristelig Folkeparti egentlig en handlingsplan? Svaret er ja. Kommer vi nå til å få en handlingsplan? Svaret er ja. Er vi fornøyd med det? Svaret er ja. Å kunne svømme er

Jeg synes det er flott at det er stor tverrpolitisk enighet om at svømming er livsviktig. Komiteen er også i stor grad enig om hvordan vi ønsker at skolene skal kunne bidra til at unger lærer seg å svømme. I tillegg forventer vi at foreldre sjøl bidrar til å lære ungene sine å svømme, og vi får satse på at det blir en god og varm sommer også i år. Ifølge Forsvarets sesjonstall fra 2011 er andelen vernepliktige i Norge som ikke kan svømme, mer enn doblet på ti år fra 6 pst. i 2001 til 15 pst. i 2011. I 2012 var det verst stilt i Telemark, med Oppland på andreplass. Tall fra Telemark fylke i 2012 viste at en av tre 18-åringer ikke kunne svømme 200 meter. Tall fra Norges Svømmeforbund viser at om lag halvparten av landets 10-åringer ikke kan svømme. Dessverre viser dette seg igjen i statistikken over drukningsulykker, som har fordoblet seg de siste åra. Norge ligger langt over sine naboland når det gjelder drukningsdød. Det er sjølsagt mange årsaker til drukningsulykker – som det er nevnt tidligere – men å kunne svømme er iallfall én forsikring for å unngå drukning. Det er uakseptabelt at vi ikke klarer å lære ungene våre å svømme. Ja, det er viktig å lære å lese og regne, men i et kystland som vårt er det bokstavelig talt livsviktig å kunne Kunnskapsløftet stiller krav til svømmeferdighet etter 4., 7. og 10. trinn. Alle skal være trygge i vannet og være svømmedyktige, er målet etter 4. trinn. Tallenes tale viser imidlertid at disse målene ikke nås. Som det er sagt tidligere, er det forskjell på det å teknisk lære svømmetak og det å være en funksjonell svømmer som kan mestre å redde seg sjøl dersom en situasjon skulle oppstå. Jeg har lyst til å legge til en liten digresjon. Jeg hadde faktisk eksamen i tilvenning til stup på lærerskolen, og det gjorde et uutslettelig inntrykk på meg. Jeg håper jeg fortsatt kan bidra til å tilvenne elever til stup, så hvis noen trenger hjelp, får dere henvende dere. For oss i Senterpartiet er det en forutsetning at opplæringa ikke må avsluttes før elever som har forutsetninger for det, faktisk kan Tar det lengre tid, må det også avsettes lengre tid for å oppnå målene. Det er viktig at kommunene kan prioritere å sette i stand svømmeanlegg eller bygge nye, slik at vi kan nå målsettinga vår og ikke «godta» det høye antallet drukningsulykker som vi har vært vitne til de senere åra. Derfor er Senterpartiet opptatt av at erfaringene med rentekompensasjonsordninga må følges opp, slik at også svømmeanlegg blir realisert i tråd med Forslaget om bedre svømmeundervisning har vært diskutert og fremmet også da vi diskuterte en times fysisk aktivitet i skolen. Venstre har fremmet en interpellasjon i Stortinget, og Kristelig Folkeparti har i representantforslag fremmet forslag om nasjonal ferdighetsprøve overfor helse- og omsorgskomiteen. I tillegg er det altså forslagene fra Senterpartiet og har ført til at regjeringa i år ba Utdanningsdirektoratet sende på høring forslag til å justere læreplanen i kroppsøving når det gjelder svømming. Høringa ble avsluttet nå i mars. Den omhandlet både formålet og kompetansemålene. Det er bra. Det viser at opposisjon og posisjon kan virke sammen til beste for elevene, selv om det dessverre kan ta litt tid.

til punkt 1, siden regjeringa har sendt ut et høringsnotat om dette. Jeg regner også med tilslutning til punkt 2, siden alle partier i komitémerknad sier at man ønsker en handlingsplan. Vi mener også at det er viktig at opplæringa ikke avsluttes før mål om svømmedyktighet er nådd. nådd. Vi håper også at regjeringspartiene og støttepartiene vil støtte forslaget om å se på rentekompensasjonsordninga, slik at svømmeanlegg blir prioritet i kommunene. Det er

Livredning, som vi er inne på i innstillinga, er avgjerande, og det å kunne hjelpe andre i vatn – altså svømming i kritiske situasjonar – er det også avgjerande å lære barn og unge. Når det gjeld svømming for dei som kjem frå familiar der det ikkje er vanleg å kunne svømme – vi ser det spesielt hos minoritetselevar

at folk lærer seg å svømme, for som stupeekspert og representant for Senterpartiet, Anne Tingelstad Wøien, sikkert kan bekrefte, er det å leike avgjerande for å lære seg å svømme. Vi må passe på at vi ikkje legg opp dette løpet sånn at vi går til verks med klare mål, der ein skal bli testa og prøvd for å lære må passe på at vi ikkje legg opp dette løpet sånn at vi går til verks med klare mål, der ein skal bli testa og prøvd for å lære seg å svømme, for da kan det hende at vi gjer det å overleve i vatn til eit større problem, og at det blir noko angstfylt ved det. Alle barn likar å bade – det må også vere utgangspunktet for å gje alle moglegheita til å gjere det. Men skal ein lære seg å svømme, må ein ha badeanlegg. Det som har blitt peikt på i innstillinga, er rentekompensasjonsordninga, som i stor grad bommar på svømmeanlegg. Det er ei ordning som ofte blir brukt til skolar. Det er ei side av det, og det bør ein sjå på. Eg oppfordrar alle partia til i alle fall å gå inn og sjå på den ordninga, sånn at ho kan treffe også svømmeanlegg. Det andre er den generelle kommuneøkonomien. Med dårlegare kommuneøkonomi blir også moglegheita for å drifte badeanlegg Viss det er ei enkeltårsak som fører til at svømmehallar blir stengde, er det dårleg drift – og dårleg drift er noko av det første som skjer når kommunebudsjetta blir salderte. Da vil eg gjere merksam på SV sitt forslag i vårt alternative statsbudsjett, der vi føreslår ei styrking av kommuneøkonomien generelt med 3,7 mrd. kr meir enn regjeringa. Eg fryktar at den den svekte kommuneøkonomien som regjeringa legg opp til, i realiteten også vil kunne føre til dårlegare svømmeanlegg til opplæring. Dette må ein også sjå på i den strategien vi har. Så eg ville berre oppfordre dei partia som til no har vore aktivt opptatt av svømming – Kristeleg Folkeparti og Venstre – om å hive seg med no når vi har sett kva høyringa har gjeve, og støtte forslaga frå

Det skaper et voldsomt engasjement, svømming. Den høringsrunden som Utdanningsdirektoratet har hatt, og som ble avsluttet 13. mars, om styrkede kompetansemål i svømmeundervisningen, har fått inn omtrent 400 høringssvar. Til sammenligning var det halvparten så mange da hele læreplanen i kroppsøving ble revidert i 2012. da hele læreplanen i kroppsøving ble revidert i 2012. Det er et eller annet med engasjementet rundt svømming som er voldsomt stort, jeg tror det har noe med to ting å gjøre. Det ene er selvfølgelig, som mange har nevnt, at det dreier seg om liv og død i verste fall. Det andre er nok at for et kystland som Norge er det å kunne være på vannet, i nærheten av vannet, kunne ha det gøy i vannet oppfattet som en veldig viktig del av en god norsk sommerdag og en god hverdag. Vi har tatt viktige steg i riktig retning. Jeg mener det er avgjørende at vi går fra en situasjon der vi har hatt en gradvis forverring, som f.eks. tallene fra førstegangstjeneste eller sesjon kan illustrere, til at vi får en gradvis forbedring, tar skritt og steg hele veien i riktig retning. Et første og viktig steg er at vi har en felles forståelse av hva det vil si å kunne svømme, altså tydeligere læreplanmål. Vi sendte rett etter nyttår på høring et forslag om å justere kompetansemålene for svømming i læreplanen i kroppsøvingsfaget. Definisjonen som ble anbefalt i høringsbrevet, lyder slik: «Mål for opplæringa er at eleven skal kunne rulle uti på djupt vatn, symje 100 meter på magen, og undervegs plukke opp ein gjenstand frå botnen med hendene, stoppe og kvile , symje 100 meter på rygg, og ta seg opp på land.» Dette er i tråd med anbefalinger fra Norges Svømmeforbund. Jeg setter pris på det store engasjementet som er på Stortinget for saken, men jeg synes også det er viktig å fremheve at det i mange år har vært et stort engasjement og en stor frivillig innsats fra organisasjoner som f.eks. Norges Svømmeforbund, og andre. Et så konkret kompetansemål legger helt tydelige føringer på hva elevene skal mestre

Det har vært stor interesse, som jeg allerede har nevnt, og den reviderte læreplanen skal tas i bruk allerede fra neste skoleår. Vi vil selvfølgelig sørge for et godt informasjonsarbeid mot skolene, slik at svømmeundervisningen fra høsten av tilpasses til de nye kravene. I tillegg kommer regjeringen til å sende på høring et forslag om å innføre krav til alle kommuner om å gjennomføre en ferdighetsprøve i svømming i grunnskolen. Ferdighetsprøven må naturligvis knyttes til det nye kompetansemålet, slik at den kan gjennomføres som en del av den ordinære svømmeopplæringen. Skjerpede kompetansemål og en nasjonal ferdighetsprøve er viktige tiltak som regjeringen kan gjennomføre. Men det er kommunene som må prioritere å fylle vann i bassengene og holde hallene åpne. Og som flere har understreket her – svømmeundervisningen er ikke valgfri, man kan ikke velge den bort. Mange kommuner trenger en håndsrekning for å få dette til. Kunnskapsdepartementet kan ikke pålegge kommunene å rehabilitere eller bygge nye svømmehaller, men staten har en rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg. Den startet under forrige regjering, er blitt videreført av nåværende regjering og styrket ved at man faser inn midlene raskere i årets budsjett – det blir altså mer midler tilgjengelig for kommunene i år. Det er også viktig at alle elever får en god og tilpasset opplæring. Det betyr at vi må ha målrettede tiltak for de elevene som ikke Derfor har Kunnskapsdepartementet bevilget 7 mill. kr til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som er omfattet av grunnskoleopplæringen. Målet er å få ned ulykkene, og vi skal vurdere, sammen med andre aktører, hvordan vi skal bruke dette på en best mulig måte. Sammen med samarbeidspartiene som vil gå til prøveprosjekter for å bidra til at barn blir trygge i vann tidlig. Det er et viktig bidrag. Som sagt har regjeringen og samarbeidspartiene, med støtte fra Stortinget, tatt flere viktige skritt i riktig retning i svømmeopplæringen. De tiltakene som jeg har skissert nå, vil bl.a. inngå i en handlingsplan for å sikre barn og unges svømmeferdigheter, som jeg kommer til å legge frem.
Det åpnes for replikkordskifte.

men det er ingen, bortsett fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, som fremmer forslaget, og som har sagt at de vil støtte det. Hva er det som egentlig skjer? Mener man at man skal fremme en handlingsplan, eller mener man det ikke? Og hvis man mener det, hvorfor i all verden stemmer man da mot det i dag i denne salen? Det som skjer, er vel helt vanlig parlamentarisme, at partier på Stortinget går sammen og blir enige om ting. Og svaret på om det kommer en handlingsplan eller ikke, er: Ja, det kommer en handlingsplan. Jeg finner det fortsatt noe underlig. Statsministeren har sagt at regjeringspartiene til enhver tid kommer til å stemme for det de er for. Men i dag kommer de altså til å stemme mot det de egentlig er for. Jeg finner det underlig. Men jeg har et annet spørsmål. I innstillingen er det også en enstemmig komité som har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

representanten fra Arbeiderpartiet har. Jeg synes dette er en grunnleggende positiv sak. Jeg synes det er positivt når Venstres representant, Abid Q. Raja, løfter saken som en interpellasjon. Jeg synes også det er positivt at representantene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremmer to Dokument 8-forslag som angår dette kjempeviktige temaet. Ellers synes jeg det er bra at stortingsflertallet nå flytter seg. Det er alltid sånn at noen skulle ønsket at man kunne flyttet seg lenger og fortere. Men vi ser at det kommer konkrete ting – vi tar konkrete skritt for å gjøre barn og unge mer svømmedyktige. Det synes jeg er veldig bra. Jeg opplever at representanten også etterspør hvorvidt det kommer en handlingsplan. Nå har vi hørt alle partienes innlegg, vi har hørt statsråden selv, og jeg tror ikke det kan være noen tvil lenger om at det kommer en handlingsplan. Det er bred enighet i Stortinget om det, og jeg synes faktisk at det er ganske positivt at det ikke bare er en flertallsmerknad, men at det faktisk er en hel komité som står bak et ønske om en sånn handlingsplan. I tillegg vil det bli sendt ut på høring et forslag om en ferdighetsprøve for å styrke undervisningen og gjøre barn og unge mer svømmedyktige. Deretter vil det bli en revidering av læreplanen med samme målet. Ellers blir det referert til en interpellasjon som representanten Abid Q. Raja hadde tidligere. Han har et stort engasjement i denne saken og har hatt det lenge. Jeg er helt sikker på at Stortinget også vil få glede av hans engasjement i saken framover. En av de tingene som han har vært opptatt av, og som han også har fått gjennomslag for, er jo nettopp disse som også statsråden nevnte i sitt innlegg, som går til en tilskuddsordning for barnehager for å lære barn å svømme så tidlig som mulig. Så jeg opplever egentlig at vi i dag har en bra sak til behandling. Jeg opplever at vi har et bredt flertall, vi har et samlet storting som ønsker å gjøre barn og unge i Norge mer svømmedyktige og få ned antallet drukningsulykker. Vi skal glede oss over det vi er

Det som da gjenstår, er egentlig kjerneforslaget i det vi diskuterer, nemlig forslaget om at kommunene må fortsette svømmeundervisningen til kompetansemålet er nådd. Det er jo vitterlig ganske underlig at partier som vanligvis snakker om kunnskap i skolen, at vi må ha kunnskapsfokus, vi må heve kunnskapen, vi må ha tydeligere læring, og vi må få bedre resultater, at her, på dette området, skal vi nå det læringsmålet som skolen har satt. Det er et veldig tydelig mål, og det er, som statsråden sa, et livsviktig mål å ha. Spørsmålet til særlig Høyre blir da: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

Det går ut over livskvaliteten til unge mennesker. Det går ut over tryggheten deres, og det går også ut over læringen. Det er vanskelig å konsentrere seg om skolefag når man har mer enn nok med å overleve i hverdagen. Elevundersøkelsen viser at kanskje så mange som 40 000 barn hver uke gruer seg for å gå på skolen og blir utsatt for mobbing. Det er totalt uakseptabelt, og vi vet nok til å få en slutt på dette. Gleden var derfor stor da man kunne lese i avisene i fjor sommer at statsråden nå skulle handle og sende til Stortinget et lovforslag som styrket mobbeofrenes rettsvern. I f.eks. en melding fra NTB 11. juni kunne man lese noe statsråden «I regjeringsplattformen slår vi fast at det er mobberen som må bytte skole i mobbesaker der skolebytte er eneste løsning. Det har vært enkelte uklarheter og ulik praksis i tilknytning til om og hvordan mobberen kan flyttes i slike tilfeller». Her skulle altså lovverket og regelverket skjerpes. Mobbeofrene skulle stå sterkere. Forundringen var stor da vi fikk en lovproposisjon med to endringer i lovene, hvor det til begge lovendringene står helt spesifikt at disse endringene ikke endrer rettstilstanden. Vi har prøvd å kartlegge om det noensinne er blitt sendt et lovforslag fra en regjering hvor hele lovforslaget ikke endrer rettstilstanden, og vi har til gode å finne det. Vi har funnet eksempler på at man i forbindelse med andre lovarbeid også rydder opp i språklig uklarhet, kanskje rekkefølgen på og slike ting, men at en hel lovproposisjon sendes til Stortinget uten at den endrer loven, er ny norsk rekord. Det blir sagt fra statsråden at dette skyldes at det har vært uklarhet om det har vært mulig å flytte på mobberen istedenfor mobbeofferet. På spørsmål om hvilke henvendelser statsråden har fått om dette i løpet av hele 2014, fikk vi til svar om dette i løpet av hele 2014, fikk vi til svar at det dreide seg om en håndfull henvendelser. Vi har fått oversendt henvendelsene, og det viser seg at det er så å si ingen skoler eller rektorer som i det hele tatt har vært i tvil om at loven var klar. En samlet komité kommer likevel til å støtte disse endringene for at det ikke skal oppstå den motsatte tvilen, nemlig at vi skulle være mot at rettstilstanden fortsatt skal være slik den var før statsråden sendte et lovendringsforslag til Stortinget, slik at vi ikke skaper ny Men jeg må si dypt alvorlig at mobbing er et område som egner seg bedre for handlekraft og tiltak enn politisk markedsføring uten innhold. Det er greit å stå i VG og si at nå skal man låse døren på skolen for dem som kommer for sent, selv om skoler har praktisert det lenge før statsråden ble statsråd. Det er greit å stå i VG og si at man skal nå skal man låse døren på skolen for dem som kommer for sent, selv om skoler har praktisert det lenge før statsråden ble statsråd. Det er greit å stå i VG og si at man skal gi skolene anledning til å beslaglegge mobiltelefoner og datautstyr, hvis det misbrukes, selv om de fleste skolene har hatt dette i regelverket sitt lenge før statsråden ble statsråd. Det er greit å si at man skal kreve 4 i matte for å komme inn på lærerutdanningen, selv om man nå egentlig reduserer kravet til 2, gitt at man tar Men å lage svære overskrifter om at man skal endre loven og styrke rettssikkerheten til mobbeofrene, som plages hver dag, og så komme med et lovendringsforslag som ikke styrker rettssikkerheten til mobbeofferet 1 mm, er å føre de svakeste i Norge bak lyset. Jeg blir opprørt av det. Jeg synes det er skammelig at man bruker et slikt område til å gjøre ingenting. man bruker et slikt område til å gjøre ingenting. Man har muligheten til å rette opp dette ved å stemme for det forslaget som fremmes om at man skal komme tilbake med et arbeid som styrker mobbeofrenes stilling. Det vil vise seg om vi kan få flertall for det. Jeg tar herved opp forslaget. Representanten Trond Giske har tatt opp det forslaget han refererte til. Kampen mot mobbing i skolen samler Stortinget, og

Derfor har også Djupedal-utvalget, som nå har lagt frem sin innstilling, vært svært viktig. Jeg og Høyre ser frem til behandlingen av de forslagene som fremmes der. Jeg tror at ett av forslagene som kommer til å gjennomsyre mye av den politikken som må utformes, er nettopp at skoleeierne, altså kommunene, og ikke minst skolene selv må ta et større ansvar også for å bekjempe mobbingen. Derfor er jeg også veldig glad for at denne lovproposisjonen blir fremmet fra regjeringen. Det er en viktig presisering regjeringen nå kommer med. For bare noen uker siden var to medrepresentanter fra kunnskapskomiteen og jeg selv på et møte med en del barn som hadde erfaring fra å ha blitt mobbet, og som fortalte om både sine erfaringer og hva de etterlyste fra politikerne. Saksordføreren var ikke en av dem som deltok på det møtet, men jeg kan informere om at en av de beskjedene de selv ga, var at det måtte tydeliggjøres enda mer at det er mobberen som skal ta konsekvensene hvis mobbingen ikke slutter, og at det er mobberen som skal bytte skole. Det som man nå gjør, er Det som man nå gjør, er å presisere noe som er et stort inngrep for en elev. Hvis man går til det skritt å flytte en elev på grunn av mobbing som ikke avsluttes, er det et stort inngrep også mot den eleven. Derfor er også presiseringen viktig: Et så stort inngrep bør ikke bare stå i forarbeidene til en lov, det bør stå tydelig i loven. Jeg er litt overrasket over at saksordføreren svinger seg til retoriske høyder han har valgt å gjøre i denne saken, for dette er et parti som stemmer for lovproposisjonen. Vi er for så vidt vant til at Arbeiderpartiet kommer etter og sitter på gjerdet og følger med på hva som blir foreslått, og så tar stilling når de ser hvilken vei vinden blåser. Men her velger man å kritisere en lovproposisjon som man etterpå stemmer for, og da blir det kanskje hakket mer forvirrende. Det er slik at dette også har vært på høring, og uansett hva Arbeiderpartiet måtte mene i retorikk, selv om de stemmer annerledes enn de uttaler seg, er det slik at av de 70 høringssvarene som er kommet inn, er det bare åtte som er kritiske. 49 av dem er for, deriblant 24 kommuner. Det viser jo at selv om Arbeiderpartiet i stortingsdebatten er uenig,

henvendelsene. Hvis man leser f.eks. Djupedal-utvalgets innstilling, løfter de nettopp problemstillingen fordi det er Fylkesmannen som er mottaker av klagene. Og Djupedal-utvalget selv stiller spørsmålet om Fylkesmannen er riktig, eller om det er Barneombudet som bør være klageinstansen. Jeg skal ikke konkludere på det, men det er en diskusjon som baserer seg på hvem som faktisk mottar henvendelsene, som også er svaret fra Kunnskapsdepartementet selv. Dette er en viktig presisering som jeg er glad for at får enstemmig tilslutning i Stortinget. Det betyr at alle partier, også Arbeiderpartiet, akter å stemme for, selv om saksordføreren kaller det en innholdsløs endring. «Det hjelper ikke å si ifra, de gjør ikke noe uansett», sa Odin på 13 år. Nå er

Fremskrittspartiet mener at mobbing og ufin oppførsel er noe som det kontinuerlig skal fokuseres på og tas tak i. Mobbing og ufin oppførsel skal ikke tolereres i skolen. Denne saken går på å tydeliggjøre i opplæringsloven og privatskoleloven at en elev som mobber, kan flyttes til en annen skole. I dag kommer dette kun fram i forarbeidene og står ikke eksplisitt i opplæringsloven eller privatskoleloven. For Fremskrittspartiet er det viktig å høre på fagmiljøer og ikke minst elevene som er direkte berørt. Et stort flertall av høringsinstansene er for å tydeliggjøre at det er Av de 70 som har gitt høringssvar, er det bare åtte som ikke støtter forslaget til presisering. Blant dem som støtter, er det 24 kommuner, og det er kommunene som skoleeiere som er de som faktisk er ansvarlige for å håndheve regelverket. regelverket. Skoleeierne påpeker at presiseringen er viktig fordi den bidrar til å klargjøre regelverket. Flytting av elever er tross alt et veldig inngripende tiltak. Elevorganisasjonen i Norge viser i sitt høringssvar til sitt landsstyremøte, der følgende krav ble vedtatt: Elevorganisasjonen i Norge viser i sitt høringssvar til sitt landsstyremøte, der følgende krav ble vedtatt: «Elevorganisasjonen krever at det i mobbesaker der omplassering er aktuelt skal det være mobber som flyttes og ikke fornærmede.» Det er i alle fall ingen tvil om hva Elevorganisasjonen mener. Fremskrittspartiet har registrert flertallets merknad som sier at de finner det påfallende at regjeringen velger å fremme dette lovforslaget nå, før Djupedal-utvalget har levert sin innstilling om mobbing. mobbing. Jeg må si at jeg stiller meg helt uforstående til den kritikken som merknaden inneholder. Fremskrittspartiet ser stikk motsatt på dette. Kampen mot mobbing har pågått i årevis, og likevel opplever fremdeles tusenvis av elever å bli mobbet og trakassert. Fremskrittspartiet mener at kampen mot mobbing og trakassering må pågå hver dag, og derfor er det viktig at Stortinget fokuserer på dette. Det at denne saken har vært på høring, har satt mobbing på dagsordenen i mange kommunestyrer og denne saken har vært på høring, har satt mobbing på dagsordenen i mange kommunestyrer og i andre folkevalgte organer, og det i en langt større bredde enn det som forslaget innebærer. Det viser at det står i sterk kontrast til det som saksordføreren målbærer i denne saken. Kampen mot mobbing er viktig og må reises i flere debatter. Fremskrittspartiet er glad for at en samlet komité støtter forslaget, selv om det reises kritikk for at saken fremmes nå. Jeg vil også benytte anledningen til å gi ros til Djupedal-utvalget, som sist uke la fram en grundig utredning som inneholder mange gode forslag. I likhet med Odin er det dessverre mange elever og foreldre som melder om mobbing og trakassering, som ikke blir hørt av skoleledelsen. Sånn skal det ikke fortsette. Fremskrittspartiet er derfor glad for at utvalget foreslår konkrete sanksjoner overfor kommuner og skoler som ikke aktivt tar tak i problemene. problemene. Fremskrittspartiet har store forventninger til at regjeringen så raskt som mulig vurderer og følger opp anbefalinger utvalget har fremmet, og innfører konkrete tiltak for å redusere mobbing og trakassering i skolen. Fremskrittspartiet mener at lovendringen og Djupedal-utvalgets rapport er gode verktøy i den kontinuerlige kampen mot mobbing, som det er vårt medborgeransvar å delta i.

Jeg har lyst til å gi ros til alle dem som har bidratt til å sette kampen mot mobbing på dagsordenen det siste året, både politisk og gjennom mediene. Tøffe ungdommer og modige foreldre har fortalt sine historier om hvordan de har opplevd mobbingen. Kongen har bidratt på sin måte og løftet tematikken i sin nyttårstale, det samme har statsministeren gjort, og det synes jeg er flott. er det også veldig mange skoleledere som gjør en god innsats for. Og så hører vi fra tid til annen historier om skoleledere og skoleeiere som ikke tar ansvar, og det er selvfølgelig ikke akseptabelt.

og foreldrene gir opp og har behov for en ny start. Regjeringen har i sin regjeringserklæring slått fast at det er mobberen som skal flyttes i slike fastlåste saker, og det kan på mange måter være fornuftig. Det virker urimelig at det er den som har blitt utsatt for mobbing, som også må ta den belastningen det er å måtte bytte skole. Men det er allerede mulig å flytte den eller de som mobber, til en annen skole. Dette står ikke eksplisitt i opplæringsloven eller i privatskoleloven, men det framgår av lovenes forarbeider. For flertallet i komiteen er det viktig å understreke at dette er et virkemiddel som kun skal benyttes i særlige tilfeller etter at andre tiltak er forsøkt. forsøkt. Så vil det kanskje fortsatt være slik at enkelte elever som har opplevd å bli mobbet og kommet opp i fastlåste situasjoner, vil føle behov for en ny start og selv ønske å bytte skole fordi det er så mange negative følelser knyttet til den skolen de har gått på. Men vi må selvfølgelig gjøre vårt ytterste for at ingen skal oppleve å komme i en slik situasjon i Forslaget i proposisjonen innebærer at adgangen til å flytte elever som mobber, skrives eksplisitt i lovteksten for å klargjøre gjeldende rett. Jeg må nok også innrømme at jeg synes det er litt underlig at regjeringen valgte å fremme et slikt forslag nå, kort tid før det regjeringsoppnevnte Djupedal-utvalget skulle legge fram sin rapport – og nå, mens vi debatterer dette, ligger rapporten fra Djupedal-utvalget på bordet, og den er en verktøykasse full av forslag til tiltak som kan bidra til å bekjempe mobbingen. Jeg synes kanskje det hadde vært naturlig å ta denne saken i forbindelse med en større debatt om tiltak mot mobbing, men regjeringen har altså valgt å ta denne saken allerede nå, og for meg er det i og for seg lite problematisk. Jeg har ingen problemer med å støtte forslaget fra regjeringen. Det vil ha liten praktisk betydning. Det er en presisering av gjeldende rett, og det er kanskje en fornuftig presisering av gjeldende rett. Samtidig vil jeg si at jeg forventer – og jeg forutsetter – at regjeringen vil ta tak i Djupedal-utvalgets rapport og følge opp denne på en god måte.

samfunnsproblem. Det er alvorlig på skolen, men det er alvorlig også på nett, både for voksne og for barn, og det er alvorlig på arbeidsplassen. Det å flytte en mobber bør være siste utveg, og jeg tenkte mens jeg satt her i stad, at når en har kommet så langt at en begynner å diskutere den som mobber eller ikke, da har en faktisk kommet ganske langt i problematikken rundt mobbing. For det som kanskje er den største utfordringen, er, som det har vært nevnt her tidligere, at noen tør å si ifra i det hele tatt, at læreren i det hele tatt oppdager det, at moren og faren oppdager det. Det er forferdelig vanskelig hvis ungen sjøl ikke sier noen ting, og da diskuterer vi ikke det med å flytte mobber. Så er det også utrolig viktig, mener jeg, at en går til årsaken til mobbingen. Det behøver ikke være mobbeofferets skyld, men den som mobber, har også et stort problem, og det ligger gjerne noe der, som jeg også tror det er veldig viktig at vi tar med oss. For det er ikke slik at unger blir født som mobbere, men det er gjerne noe som ligger bak. Som representanten sa, håper jeg – og jeg forventer og regner med – at vi får muligheten til å komme tilbake og ha en muligheten til å komme tilbake og ha en litt grundigere og en litt dypere debatt når regjeringa har fått bearbeidet Djupedal-utvalgets rapport og kommer tilbake til Stortinget med den, så vi kan få diskutert den problematikken. For jeg tror det er viktig at vi ser hele bredden, både den som mobber – hvorfor mobber en? – og den som blir mobbet, og hva vi kan gjøre for å unngå at vi får den type situasjoner på skolen.

mobbet. Det gir oss et inntrykk av hvordan de vil at barn og unge skal ha det på skolen, og hvordan de ikke vil at det skal være. Og det er ganske sterke historier de har å komme med, de som har opplevd mobbing i hverdagen. Nå har Djupedal-utvalget lagt fram sin rapport med mange forslag til tiltak. Vi ser fram til at statsråden nå skal begynne med den rapporten, og forventer at det blir en forsterket innsats mot mobbing i tiden som kommer. Jeg er sikker på at mange av de tiltakene som er foreslått, er ting som statsråden på egen hånd kan ta tak i og gjennomføre, men vi imøteser også saker til Stortinget der det er nødvendig og hensiktsmessig, for vi har alle et ønske om at elever skal ha en mobbefri hverdag. Når det gjelder denne konkrete saken,

til en annen skole, et drastisk virkemiddel, som kun bør brukes i særlige tilfeller, og etter at andre tiltak er forsøkt først. Derfor er det viktig at vi fortsatt har fokus på mobbing, slik at vi unngår å komme så langt at enkelte må bytte skole, for vi har faktisk kommet altfor langt når vi er der at det skal vurderes. vurderes. Derfor er jeg opptatt av at muligheten for skolebytte ikke må bli en sovepute. Det må ikke være det tiltaket vi setter i verk for å vise handlekraft, for når situasjonen kommer så langt at en må bytte skole, er vi i en situasjon som ikke er grei for den som blir mobbet, men heller ikke grei for den som mobber. Vi stiller oss bak den lovendringen som er foreslått, men vi forutsetter og forventer som sagt at statsråden følger opp mobbeproblematikken i tiden som kommer, og at dette med å flytte mobberen blir en del av en helhetlig vurdering som skal gjøres i kjølvannet av den rapporten som Djupedal-utvalget har lagt fram. Mobbing går i arv. Det smittar. Mobbing skjer blant dei aller minste og blant dei aller eldste. Det er

frå barnehage og oppover. Utgreiinga frå Djupedal-utvalet er nettopp blitt framlagd. Det var spennande forslag som kom fram der. Det omhandlar stor statleg satsing på ein inkluderande skule, etter modell frå Canada, som er interessant lesing, det å flytte klageinstansen frå Fylkesmannen til Barneombodet, det å få fleire grupper inn i skulen, slik at ein kan jobbe breiare

på at eigne barn eller barn av nokre vi kjenner, blir mobba, eller historier om barn som er blitt mobba, og som er blitt drivne til forferdelege handlingar. Mobbing varer heile livet – det er noko som folk ber med seg lenge. Det å ha skikkelege, store og målretta tiltak som fungerer, og ikkje berre program som kanskje fungerer nokolunde, er veldig viktig. Eg ser fram til at vi får

signaliserer. Det er riktig som departementet også skriver, og som komiteen mer enn tydelig har oppfattet, at i dag kan en elev som mobber, i enkelte tilfeller flyttes til en annen skole enn den eleven går på. Det står altså ikke eksplisitt i opplæringsloven eller privatskoleloven, men det fremgår av lovens forarbeider. Lovens forarbeider kan generelt være NOU-er, høringsutkast, stortingsproposisjoner fra departementet, innstilling fra samt forhandlinger på Stortinget. Bestemmelsen er også generell. Det er ikke en målrettet bestemmelse om at man kan flytte – mobbing nevnes ikke – det er en generell bestemmelse. Da er spørsmålet: Er mobbing et så alvorlig problem at det også er verdt å få eksplisitt inn i loven gjennom å presisere og tydeliggjøre at i disse tilfellene kan den som mobber, flyttes til en annen skole? Jeg mener ja. ja. Så er det sant at dette ikke endrer rettstilstanden, men da er det viktig å skille mellom hva som er rettstilstand og hva som er praksis. Rettstilstand er altså hva man har anledning til å gjøre basert på forarbeidene til loven. Hva som er praksis i sektor, er noe helt annet. Hva kan dette gjøre? Jo, det kan gi en klarere lov fordi det står der svart på hvitt i lovteksten, ikke i forarbeidene. Det er et viktig signal og ikke minst kan det også gjøre at praksis endres i sektoren, at det blir mer brukt. Det mener jeg er en viktig grunn til å gjøre dette, selv om det på ingen som helst måte kan være en lettvint løsning på mobbeutfordringene. Vi er helt enige med dem som sier at flytting av en elev må være siste utvei i mobbesaker.

Alt det har Djupedal-utvalget gitt oss et veldig godt grunnlag for å diskutere. Regjeringen følger opp ved å sende forslaget umiddelbart på høring. Vi har også sagt at vi vil komme tilbake til Stortinget med de relevante forslagene som dreier seg om f.eks. lovendringer. Hvis en sak blir særlig kompleks og utfordrende og skolen har prøvd alle mulige tiltak, kan flytting av mobber være siste utvei.

Men det er altså mulig å tydeliggjøre lovverket, slik at praksis kan endres. Ved å skrive det eksplisitt inn i loven gjør vi faktisk det. Så er det også en annen begrunnelse som kanskje er litt mer juridisk, men som også kan være verdt å ta med i betraktningen. Den har et litt annet utgangspunkt, og det er at det er alvorlig om man blir pålagt å bytte skole. Det å ha en klar lovhjemmel fordi det er et inngripende tiltak å flytte en elev, er også et argument for. Så synes jeg at høringsrunden er avgjørende, rett og slett fordi hvis det hadde kommet et massivt flertall i høringsrunden som sa at dette ikke var nødvendig, dette visste vi fra før, dette får vi ikke noe bruk for i hverdagen, hadde jeg fått alvorlige betenkninger med dette forslaget. Men av 70 høringsinnspill er det 8 som er eksplisitt negative, 49 som støtter regjeringens forslag om presisering. Blant dem som støtter det, er det 24 kommuner. Flere av disse skriver at presiseringen er viktig fordi den bidrar til å klargjøre regelverket, og at presiseringen kan bidra til å sikre den enkelte elevens rett til et godt psykososialt miljø. Det er ingen garanti for det, det er ingen lettvint løsning, men at det ikke er et klart signal, og at det ikke er verdt å gjøre, kan jeg ikke forstå. forstå. Jeg er veldig glad for at hele komiteen er enig i den betraktningen. Det blir replikkordskifte. Det er

som pøste på med tiltak for å motarbeide mobbing, men sannheten er jo at dette er det eneste forslaget statsråden har sendt til Stortinget som omhandler mobbing. Det endrer ikke rettstilstanden én millimeter. Det er ingen stor tvil om hvordan dette er, ute blant rektorer og lærere. Tvert imot sier Utdanningsforbundet at dette er Hvorfor er dette det eneste statsråden har sendt til Stortinget når det gjelder å styrke kampen mot mobbing? Og er det ikke viktigere med tiltak enn med prat for å hjelpe dem som rammes av mobbing? For det første er jeg helt enig i at det er viktigere med tiltak. Samarbeidspartiene har også styrket kampen mot mobbing i budsjettene. Det er helt riktig at vi har ventet på Djupedal-utvalget, som forrige regjering nedsatte. Jeg har bedt dem om å fremskynde, og derfor la de frem utredningen nå, og ikke senere. Så skal jeg være helt ærlig og si at grunnen til at jeg mente at dette kunne gjøres nå, er at jeg ikke i min villeste fantasi kunne forestille meg at dette skulle være noe som var kontroversielt. Jeg kunne ikke i min villeste fantasi forestille meg at det skulle være kontroversielt å få det tydelig og klart inn i loven, i hvert fall ikke etter en høringsrunde der 49 av 70 instanser sa at de mente dette var en viktig presisering. Og begrunnelsen bl.a. i kommunene er er ikke at dette kan vi like godt gjøre, for det er jo loven. De sier at det er en viktig presisering fordi det kan føre til praksisendring også ute i felt. Det mener jeg er et argument nok for å gjøre det – ikke overdrive betydningen av det, men det er et argument for å gjøre det. Det som er kontroversielt, er jo ikke innholdet i forslaget. Det som er kontroversielt, er at statsrådens eneste forslag til Stortinget for å styrke arbeidet mot mobbing er ingenting, altså å endre loven slik at den ikke endrer rettstilstanden, det er det som er kontroversielt. Det er et veldig lite egnet område å drive med politisk tomsnakk på når 40 000 barn hver uke gruer seg til å gå på skolen. Djupedal-utvalgets utredning kom, og jeg har lyst til å spørre statsråden helt konkret: Hvor i Djupedal-utvalgets utredning omtales virkemiddelet å flytte mobberen? Det står ikke der. Det står bare omtalt i ordensreglementet og den rettslige hjemmelen rundt det. og den rettslige hjemmelen rundt det. Djupedal-utvalget mener at dette er et av de minst viktige tiltakene mot mobbing som finnes, men det er altså det eneste tiltaket som statsråden har sendt til Stortinget, et tiltak som ikke engang endrer loven. Hvordan forklarer statsråden at Djupedal-utvalget ikke tar opp dette som et viktig tiltak, men at dette er det eneste tiltaket han har Jeg har ikke så veldig lyst til å lage for mye politisk krangel av dette. Men jeg synes man må bestemme seg for hva kritikken går ut på. Man kan ikke både kritisere meg for å forskuttere Djupedal-utvalget og sende et forslag på høring og samtidig kritisere meg for at jeg ikke har sendt flere forslag på høring fordi jeg har ventet på et utvalg som ble oppnevnt av de rød-grønne, og som skulle gjennomgå hele mobbepolitikken. Da mener jeg at begrunnelsen er klar og tydelig. Jeg mener at dette burde være ukontroversielt, og det er det jo også. Hvis man leser voteringene fra Stortinget, så er det jo et flertall – ja, ikke bare flertall, alle i komiteen var for dette. Hvis man samtidig ser på hva vi skal gjøre fremover, er det mye å gjøre, men da er det også fornuftig å vente på Djupedal-utvalget, som jeg også ser at flertallet i komiteen åpenbart mener at det det er. Det mener jeg også er fornuftig. Men det å sende det som i utgangspunktet burde være en ukontroversiell lovpresisering som kan gi et viktig signal til Stortinget, det står jeg for. La meg bare forklare veldig kort: Kontroversen i dette ligger ikke i lovforslaget i seg selv. Innholdet er helt greit, for det beskriver dagens rettstilstand. Kontroversen består i at statsråden går med brask og bram ut i mediene og sier at nå skal han forbedre tilstanden i norsk skole når det gjelder mobbing, med et innholdsløst forslag. Det er også oppsiktsvekkende at statsråden sier at han måtte vente på utvalgsinnstillingen for alle andre forslag, men et virkningsløst forslag kunne han sende! I nesten to år har han vært statsråd og måttet vente på et rød-grønt nedsatt utvalg. Det finnes mange ting vi vet virker mot mobbing som det er fullt mulig å ta initiativet til selv om man venter på et utvalgsarbeid. Det er oppsiktsvekkende at det eneste tiltaket man har løftet opp, er et tiltak som Djupedal-utvalget overhodet ikke beskriver som et virkningsfullt tiltak. Og igjen: Hvordan forklarer han at Djupedal-utvalget ikke har dette tiltaket med? Det

å gjøre noe, og i hvert fall ikke sende noe signal, altså for å være et lovforslag som gjør ingenting. Samtidig er resonnementet til representanten Giske at det å stemme imot et forslag som gjør ingenting, vil sende et veldig sterkt signal, og derfor må man stemme for det! Det henger ikke sammen. Hvis representanten Giske mener at dette er et forslag som er verdt å stemme for fordi det sender et viktig signal, fordi det er viktig å presisere loven, må han stå for det, og da må han også slutte å kritisere det fra en helt annen synsvinkel eller ståsted. Statsråden kan lese. Det står i innstillingen at vi stemmer for forslaget for ikke å skape noen tvil om at dagens rettstilstand har støtte i Stortinget – ferdig med den saken. Problemet er at statsråden har løftet dette – og ikke bare han har løftet det, men regjeringserklæringen har løftet det – som et stort og viktig tiltak mot mobbing. Djupedal-utvalget beskriver overhodet ikke dette som som et stort og viktig tiltak mot mobbing. Djupedal-utvalget beskriver overhodet ikke dette som et tiltak som er verdt å regne med. Og det er jo ikke Djupedal-utvalget som må svare for at statsråden og regjeringen har løftet dette som et av sine viktigste tiltak. Hvorfor er det eneste tiltaket statsråden har sendt til Stortinget, en lovendring som ikke endrer loven, på et område som Djupedal-utvalget ikke beskriver som et viktig innsatsområde mot mobbing? Hvorfor har statsråden valgt det og ikke en rekke andre forslag som lå på bordet og var mulig å gjøre noe med, lenge før Djupedal-utvalget kom med sin innstilling? Nå har jeg svart på begge de to spørsmålene. Men jeg tror representanten Giske og jeg er grunnleggende uenige om en del av statsrådsrollen. Jeg mener det har en viktig effekt når kunnskapsministeren i Norge, uavhengig av hvem det er, sier på tv eller i andre media at i situasjoner der noen må bytte skole, så skal det være mobberen, ikke den som er blitt mobbet. Jeg mener at det har en effekt også å presisere regelverket. Men det å si det, det at man kan høre det som mobbeoffer, at foreldre kan høre det, at skoler kan høre det, at rektorer kan høre det, at lærere kan høre det, det har en effekt. Og vi skal følge opp Vi kommer med tiltak. Vi skal følge opp den satsingen som samarbeidspartiene har startet med, men en viktig del av anti-mobbearbeidet kommer også til å fortsette å være hvordan vi snakker om det, hva slags signaler vi gir, og hvilket lag vi tar når problemstillingen kommer opp i offentligheten. Ja, jeg tror dette er kjernen – vi er dypt uenige om hva som ligger ikke bare i statsrådsrollen, men også i politikerrollen. Jeg tror at ungene som går til skolen og gruer seg fordi de blir mobbet, tenker: Enn om noen med makt kunne gjort noe som hjalp min hverdag! Så sitter altså den i Norge med mest makt over dette området og sender som sitt eneste forslag en lovendring som ikke endrer rettstilstanden én millimeter, som ikke styrker mobbeofrenes situasjon én millimeter, mens han samtidig kunne ha sendt en masse andre ting til Stortinget. Det er forskjellen på rollen. Jeg er ikke i tvil om at statsråden, i likhet med hele salen, blir dypt opprørt over mobbing, men det er også dypt opprørende at den som sitter med mest makt til å gjøre noe med det, har null handlekraft for det som gjelder, nemlig å bedre rettssituasjonen. Nå har vi et forslag på bordet som sier at regjeringen skal komme med forslag som styrker rettssituasjonen. Vil statsråden anbefale sine partifeller i Stortinget å stemme for det konkrete forslaget? Jeg har tenkt å gjøre det. Og det har ikke vært noen tvil om, på noe som helst sekund, at vi skal følge opp Djupedal-utvalget. Det er at vi skal følge opp Djupedal-utvalget. Det er helt naturlig at vi har ventet på Djupedal-utvalget, men vi var mer utålmodige enn de rød-grønne, som hadde gitt dem flere måneder til, og ba dem levere nå. Så lurer jeg på om 49 av 70 høringsinstanser tar feil når de sier at dette er en viktig presisering. Hva er det representanten Giske, som er den eneste som fra denne talerstolen har hisset seg opp over dette forslaget – eller begrunnelsen for forslaget, eller hva det er han er opphisset over hva det er han er opphisset over – har forstått som ikke de 49 som er positive, har forstått? Det lurer jeg på. Når 24 kommuner sier at dette er en viktig presisering, hva er det de har misforstått? Det vil jeg gjerne høre representanten Giske forklare, men det har vi kanskje ikke tid til nå, så det får bli en annen gang. Da er replikkordskiftet over. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Det blir anledning til å forklare det.

høringssvarene. Tvert imot, man sier at det er helt greit, for det er dagens rettstilstand. Det er ingen i salen her som er uenig i det. Det man er opprørt over, er at man har det som sitt eneste forslag. Statsråden svarer ikke på hvorfor dette både står i regjeringserklæringen og er det eneste han har sendt, når Djupedal-utvalget ikke har dette med på listen over viktige tiltak overhodet – det beskrives bare som en saklig informasjon om hvordan ordensreglementet er.

og har altså ikke gjort noen verdens ting. Det som er problemet, er at dette er et mønster på område etter område. Det var akkurat det samme da vi snakket om ordensreglement. Man tøffer seg med å låse dørene og tøffer seg med å inndra mobiltelefoner og pc-er osv. Regelverket var der. Man beskrev dagens rettstilstand og sa at det skal vi gjennomføre. Var det det man vant valget på i 2013, å si at nå skal vi jammen meg gjennomføre det som allerede eksisterer? Igjen: Dette hjelper ingen mobbeofre. Det som hjelper mobbeofrene, er handling. Vi har et helt konkret forslag til romertallsvedtak her, hvor det er mulig å si at regjeringen skal følge opp Djupedal-utvalget – også med utredning om forslag som styrker mobbeofrenes rettssikkerhet. Vi hører at regjeringspartiene ikke har tenkt å stemme for det, men mitt spørsmål går til Anders Tyvand og til Iselin Nybø: Er det slik at Venstre og Kristelig Folkeparti også her er såpass

at dette er så viktig, dette går rett i hjerterota på oss, dette skal vi jammen meg være med på, selv om vi er støttepartier for Høyre og

som har kommet frem til at dette er en proposisjon man gir tilslutning til. Det er helt i orden å være i opposisjon. Det er helt i orden å skulle være imot regjeringen, men å bruke så mye tid og så mange krefter som komitélederen her gjør på å forsøke å skape uenighet om en sak som hele komiteen enstemmig er for, blir for meg ganske merkelig, merkelig, særlig med tanke på at komitélederen sier at ja, men tunge organisasjoner som Utdanningsforbundet sier at det ikke er nødvendig å redegjøre for dette. Vel, tunge organisasjoner som Elevorganisasjonen trekker frem at dette er viktig. Da er det klart at man må lytte til flere instanser. Når Når det er 49 som er for, og åtte som er imot, kan man godt trekke frem de åtte som er imot, men sannheten er at da dette var på høring, ga det store flertallet og tunge organisasjoner som organiserer f.eks. elevene i den norske skolen, støtte til statsrådens forslag. Det er vel kanskje grunnen til at komiteen enstemmig går inn for dette. Jeg synes statsråden trekker frem et veldig godt poeng når man altså får kritikk for ikke å ha lagt frem flere forslag, samtidig som flertallet i komiteen skriver at de synes det er rart at man har lagt frem forslag før Djupedal-utvalget har lagt frem sin innstilling. Igjen: Det er helt i orden å være i opposisjon, men ikke å være i opposisjon på autopilot. Vær i opposisjon og finn ut hva det er man er uenig i, ikke bare vær imot for å være imot! Så spør representanten Giske om det var dette man vant valget på. En av de tingene som jeg tror mange etterlyste etter åtte år med den rød-grønne regjeringen, var handling også på dette området. Det er altså slik at når man nå legger frem dette forslaget, når man nå kommer med Djupedal-utvalgets innstilling og kommer til å legge frem flere forslag for Stortinget, er det de facto opptrapping av det antimobbearbeidet som ble gjort under den rød-grønne regjeringen. Jeg sier ikke at den rød-grønne regjeringen ikke var opptatt av mobbing – jeg har ikke tenkt å legge meg på det nivået men jeg mener at det er litt spesielt å få kritikk fra komitélederen for en lovproposisjon som får tilslutning fra en enstemmig komité, som får tilslutning fra 24 kommuner, som får tilslutning fra elevene, og som er et tiltak som sikrer at hvordan man skal håndtere en slik situasjon bedre, redegjøres for i lovverket – at det tas ut av forarbeidet og inn i paragrafen. Det er ekstremt viktig. Derfor har det også fått støtte i høringen. Derfor får det også enstemmig støtte i komiteen. La oss være uenige der hvor vi er uenige, istedenfor å lage et spill av saker som er for viktige til det. Representanten Giske brukte ganske mye tid på å fortelle at det ikke er

et forslag der regjeringen pålegges å følge opp Djupedal-utvalgets rapport. På spørsmålet om kampen mot mobbing er noe som treffer oss i hjerterota i Kristelig Folkeparti, så er svaret definitivt ja! Derfor har vi også vært tydelige i innstillingen – og fra talerstolen her i dag – på at vi forventer, og forutsetter, at Djupedal-utvalgets rapport følges opp av regjeringen, og det har vi opplevd å få en tydelig forsikring om også fra statsråden i dag. Men det å pålegge dette, som da egentlig gjelder en annen og litt større sak, i behandlingen av denne konkrete spesifiseringen av lovverket, det finner vi ikke nødvendig.

diskutere detaljer på dette nivået kan være litt krevende. Det som vi står overfor nå, er et forslag som handler om å ta inn i loven noe som har vært rettspraksis lenge, samtidig som vi alle er enige om at vi ikke er med bare å gjøre det. Det er klart at innsatsen mot mobbing må trappes opp. Det er klart at dette kanskje vil være en sovepute. Det opplever jeg at jeg også ga uttrykk for forrige gang jeg hadde ordet i denne saken, og det er det vi er opptatt av. Samtidig forventer jeg at regjeringen, nå som de har fått

gjennomføres effektivt og fort. Jeg sa også i mitt innlegg at jeg både forventer og ser fram til de sakene som det er både hensiktsmessig og nødvendig at Stortinget behandler – at statsråden kommer tilbake til Stortinget når det blir nødvendig eller hensiktsmessig. opplever jeg også at statsråden er åpen på at han ønsker å gjøre. Jeg opplever at vi her har en statsråd som tar mobbeproblematikken på alvor, at ja, denne saken opplever han som viktig. Jeg er enig i at det er nyttig å få det tatt inn i loven. Samtidig opplever jeg også at statsråden er tydelig på – og at Venstre og Kristelig Folkeparti er tydelig på – at dette ikke kan være en sovepute. Her må vi være offensive. Kampen mot mobbing vil alltid handle om fokus. Det vil handle om å ha den enkelte skole i fokus, det vil handle om å ha fokus hos den enkelte skoleeier, og det vil handle om å ha fokus for det politiske miljøet. Det opplever jeg at Venstre har, det opplever jeg at Kristelig Folkeparti har, og jeg er helt sikker på at både Venstre og Kristelig Folkeparti skal pushe på statsråden framover, sånn at vi fortsatt og kontinuerlig fokuserer på mobbing og tiltak mot mobbing framover.

altså ikke hatt en eneste sak før fra statsråden som har omhandlet temaet – og den vi har, endrer ingen verdens ting. Jeg synes begrunnelsen fra Anders Tyvand og Iselin Nybø for ikke å stemme for forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV er ganske underlig. I Dokument 8-forslag og andre steder har man selv, fra disse partiene, fremmet ting som har fått støtte fra oss, av lignende karakter, hvor man ber om utredninger, ber om intensivering, ber om tiltak. Og særlig her, hvor vi ikke har fått noen tiltak, ikke har fått noen intensivering, ikke har fått noen forslag som forandrer situasjonen, hadde det vært flott om stortingsflertallet hadde dyttet på, som Iselin Nybø beskrev det. Det var litt morsomt på slutten å høre Henrik Asheim si at jo, fordi man nå lovfester det som var rettstilstanden under de rød-grønne, og fordi man har fått et arbeid fra et utvalg som ble nedsatt av de rød-grønne og sendt det på høring, så har den nåværende regjeringen intensivert arbeidet mot mobbing. Det beskriver – tror jeg, dessverre – akkurat hvor ambisjonsnivået ligger. Flere har ikke bedt om ordet til sak

og at taletiden blir fordelt slik på partigruppene: Arbeiderpartiet 20 minutter, Høyre 15 minutter, Fremskrittspartiet 10 minutter, Kristelig Folkeparti 5 minutter, Senterpartiet 5 minutter, Venstre 5 minutter, SV 5 minutter og Miljøpartiet De Grønne 5 minutter. Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil seks replikker med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

men det forteller oss også at dersom vi skal lykkes med å redusere utslippene globalt med 40–70 pst. innen 2050, må alle verdens land bidra. Dette er ikke et kretsmesterskap, norgesmesterskap eller europamesterskap i å sette seg djerve mål; det er en global dugnad som må måles ikke i gode intensjoner, men i reelle resultater. Vi må lykkes i Paris til høsten. Forsøkene har vært tallrike. Dessverre har skuffelsene vært like mange. Heller ikke i Paris er det grunn til å tro at det blir en avtale som vil rette opp det grunnleggende problemet: at det er for billig å forurense og for dyrt å være miljøvennlig. Heldigvis ser vi at stadig flere land, regioner og delstatsmyndigheter innfører ulike former for prising av utslipp. Det vil bli dyrere å forurense. Samtidig står vi på terskelen til et paradigmeskifte i kraftsektoren og i transportsektoren. Prisene på sol og vind er dramatisk redusert på kort tid. Prisene på batterier for lagring av energi til kraftproduksjon og elektrisk mobilitet har falt raskere enn noen kunne forutse. Investeringsuniverset utvides. I USA er solenergi nå konkurransedyktig med fossile alternativer i 36 stater. I Sør-Afrika er det investert 14 milliarder amerikanske dollar i sol- og vindkraftverk de siste tre og et halvt årene alene, med en samlet effekt på 4 000 MW. Det grønne skiftet er i gang. Vi står på terskelen til en ny tid. Norge har teknologi, kompetanse og kapital til å lede an. Det er bred enighet i komiteen om at Norge må fortsette å prioritere arbeid med teknologiutvikling i industrien. Hydros nye pilotanlegg på Karmøy, som skal bli verdens reneste anlegg for aluminiumsproduksjon, er et godt eksempel på hva et godt virkemiddelapparat kan bidra til å utløse. Regjeringen har styrket både Enovas klimateknologifond og Innovasjon Norges miljøteknologiordning. Samlet sett er Norge godt rustet til å bidra med utviklingen av ny miljøvennlig teknologi, som både kan bidra til å redusere utslippene og samtidig styrke Norges konkurranseevne på grønne vilkår. Norges petroleumsnæring vil være viktig i lang tid fremover. Verdens høyeste karbonpriser gir gode incentiver for å utvikle nye løsninger som reduserer utslipp og effektiviserer produksjonen. Samtidig har høykompetansemiljøet innenfor offshorenæringen betydelig overføringsverdi til andre næringer i det grønne skiftet. Regjeringen satser betydelig på fornybar energiproduksjon, ikke minst gjennom en økning i Statkrafts egenkapital på 10 mrd. kr og bedre rammevilkår for vindkraft og småkraft. I sum gir dette grunnlag for flere grønne arbeidsplasser. Norge viser også vei innenfor transportsektoren. Hittil i år er 18 pst. av nybilsalget nullutslippsbiler. Ikke i noe annet land er denne andelen i nærheten av å være like høy. Vi viser at det er mulig. Utslippsreduksjonene fra denne satsingen er foreløpig begrenset i Norge, men det bidraget vi yter for å utvikle næringen og gjennom eksemplets makt vise at nullutslippsmobilitet er både mulig og gjennomførbart, skal ikke undervurderes. Det teknologiske paradigmeskiftet kan komme raskere enn noen hadde forutsett. Samtidig vil det ta tid å fase det inn globalt. Fortsatt er det 1,3 milliarder mennesker som overhodet ikke har tilgang på strøm. Fortsatt er det nesten 40 pst. av verdens befolkning som er avhengig av å lage mat over åpen ild, ikke fordi de vil, men fordi det ikke finnes andre alternativer. Det er bred enighet i komiteen om at Norge må fortsette sitt internasjonale engasjement for å redusere utslippene i utviklingsland og bidra til en bærekraftig utvikling. Regjeringen har lovet 1,6 mrd. kr til FNs grønne fond de neste fire årene. Den internasjonale skogsatsingen skal videreføres til 2020. Opprinnelig var planen at den skulle vare i fem år. Resultatene er gode, og hvert år bidrar redusert avskoging til utslippsreduksjoner tilsvarende Norges samlede utslipp. Regner vi inn den internasjonale skogsatsingen, er vi med andre ord karbonnøytrale allerede i dag. Satsingen på fornybar energi i utviklingsland har også stor betydning. SN Power og Norfund bygger ut fornybar energi for milliardbeløp i utviklingsland. Dette arbeidet utløser også betydelige private investeringer. Vi ser f.eks. at privateide Scatec Solar gjennomfører en rekke prosjekter i samarbeid med Norfund. Behovet for energi vil øke dramatisk i årene fremover som følge av en globalt fremvoksende middelklasse. Dessverre ser vi at kull fortsatt dominerer i svært mange økonomier. I Polen finnes det kullkraftverk som slipper ut 37 millioner tonn CO2 hvert eneste år. Alle de ti største utslippskildene i Europa er kullkraftverk, som til sammen slipper ut mer enn fire ganger Norges samlede utslipp. Av politiske og økonomiske årsaker vil kull forbli viktig i mange land. Derfor er det viktig at vi lykkes med å utvikle en kostnadseffektiv teknologi for rensing og lagring av Norge jobber her bredt for å bidra i dette arbeidet, og det må fortsette. Markedet er en elendig herre, men det er den mest effektive tjeneren vi har. Når det å tenke grønt gir sorte tall, har vi startet en snøball som ikke lar seg stanse. Samtidig kan vi påvirke hvor raskt snøballen skal rulle. Måten vi rammer inn våre klimamål på, har betydning for vår evne til å nå de målene vi setter oss. Regjeringens forslag til innramming av klimamålene i 2030 har bred tilslutning i komiteen. Det er svært gledelig, fordi beslutninger vi fatter i dag, legger premissene for samfunnsutviklingen i Norge i lang tid fremover. Regjeringen har foreslått en forpliktelse som skal sendes inn til FNs klimakonvensjon med følgende elementer: for det første at Norge vil påta seg en betinget forpliktelse om minst 40 pst. utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990, for det andre at Norge vil gå i dialog med EU om å inngå en avtale om felles oppfyllelse av klimaforpliktelsene sammen med EU med et klimamål på minst 40 pst. i 2030 sammenlignet med 1990-nivået. Dette vil gi et forutsigbart og forpliktende rammeverk for å videreutvikle norsk klimapolitikk. Norge er allerede nær fullt ut integrert i EUs indre marked i Europa gjennom EØS-avtalen. 80 pst. av Norges eksport går til EU. Av hensyn til norsk industri og norsk næringsliv er det derfor fornuftig at Norge også knytter seg tettere til EU i klimapolitikken. En avtale med EU innebærer at det blir et skarpere skille mellom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor. Utslippene i kvotepliktig sektor i EØS-området vil reduseres med 43 pst. i 2030 sammenlignet med 2005. Kvotemarkedet vil gradvis strammes inn for å sikre dette. Norske bedrifter i kvotemarkedet vil ha både fleksibilitet og incentiver for å videreutvikle en sterk grønn industrisektor. Det er viktig at Norge ikke innfører en klimapolitikk som bidrar til tapte industrimuligheter og karbonlekkasje med påfølgende økte globale utslipp. Det unngår vi med regjeringens løsning.

Potensialet er størst i transportsektoren, og her er regjeringen og samarbeidspartiene allerede i gang med omfattende og forsterkede tiltak for å redusere utslippene. Målet i ikke-kvotepliktig sektor vil trolig fastsettes i 2016. I etterkant av dette vil det være naturlig å avklare hvordan vi skal oppfylle Norges forpliktelser om utslippsreduksjoner, men jeg legger til grunn at tiltak for å redusere utslipp vil fremmes fortløpende i årene fremover, og at regjeringens allerede påbegynte arbeid med å forsterke tiltakene i klimaforliket fortsetter. Det er som sagt bred enighet om hva regjeringen skal melde inn til FN innen utgangen av denne måneden, og det er bred enighet om hva vi vil forsøke å oppnå i samarbeid med EU frem mot 2030. Det er svært positivt. La meg også gi regjeringen honnør for måten den har involvert Stortinget på i denne saken. Jeg tror det er første gang Stortinget har hatt en så god forankring av våre internasjonale klimaforpliktelser overfor FN. Det gir håp om at Stortinget også vil bidra til at målene følges opp på en god måte.

er jo på mange måter en god løsning. Men det er egentlig en veldig stor og viktig sak, en viktig prinsipiell sak, vi faktisk behandler. Det innebærer at vi nå gjennom det vedtaket vi gjør, forutsatt at vi får en avtale med EU, binder opp politikken for mange år framover. Det er kanskje det mest vesentlige og også det mest viktige i saken, det at vi gjør det i et større fellesskap enn oss selv, og en må være tydelig på hvor en vil hen. Situasjonen blir da, hvis vi får en avtale med EU, at en må være tydelig på hvor en vil hen. Situasjonen blir da, hvis vi får en avtale med EU, at vi her hjemme må få et mål for hvor mye vi skal redusere utslippene i de sektorene som ligger utenfor EUs kvotesystem. I stor grad vil det dreie seg om transport og landbruk for Norges del. Det er spekulert i hvor stor andel dette vil utgjøre. Det er ikke det mest vesentlige i debatten akkurat nå, men jeg er helt overbevist om at vi gjør klokt i å forberede oss på at vår andel kommer til å ligge på i hvert fall omkring 40 pst. Som sagt, vi har sagt at vi syns dette er en god tilnærming til et av våre viktigste politiske temaer, som omhandler framtiden og våre muligheter. Historisk sett følger det opp vår tradisjon med å ha en sterk forankring mot Europa i disse spørsmålene. Mål er viktige i klimapolitikken, men det er kanskje det enkleste i klimapolitikken også. Nå må tiltakene og virkemidlene som vi skal bruke i tiden framover, styrkes, og vi må være veldig tydelige på hvilke tiltak som skal fungere. Vi forutsetter derfor at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med en plan for hvordan vi skal nå målene, gjennom konkrete tiltak i fortsettelsen. da vil alle brikkene forhåpentligvis være på plass. Vi kan nok en gang invitere til samtaler og si at Arbeiderpartiet er beredt til å føre samtaler med alle partier så sant vi kan få en bred enighet om det. Vi syns dette er viktige spørsmål. Det er 15 år til 2030. Det er knapt med tid. Verden har dårlig tid. Vi har satt oss mål som vi ikke klarer å oppfylle, og det er viktig at debatten også i nasjonal sammenheng handler om tiltak mer enn målsettinger, for hvis vi ikke klarer det, blir kanskje debatten noe meningsløs. Vi har i denne saken drøftet om vi skal gå inn på tiltak. Regjeringen og støttepartiene har denne gangen valgt ikke å være med på tiltaksdiskusjonene. Det syns jeg er litt synd og litt beklagelig, fordi det haster, som sagt, og det hadde vært greit allerede nå å diskutere en del av tiltakene mer inngående og eventuelt også gjennom vedtak i Stortinget sagt hvilke tiltak en mener er riktig i tiden framover. Klimapolitikken skal ikke avgjøres i 2016, den må avgjøres hver dag fram til 2030, dersom vi skal lykkes. Vi har foreslått konkrete tiltak og forpliktelser om at vi vil utvikle lav- og nullutslippsløsninger i alle industrigrener fram mot 2050. Vi har sagt at vi i den forbindelse må styrke klimateknologifondet, etter vårt forslag til 100 mrd. kr i 2017. Det handler ikke om at vi overbyr noen, men vi ser helt klart at det trengs flere ressurser for å klare å nå klimamålene våre. Vi ville gjerne

klimavennlige løsninger i kollektivsystemet. Regjeringspartiene og støttepartiene sier denne gangen nei – det syns jeg er synd. Da vi satt i regjering, inviterte vi til brede forlik i klimaspørsmålet fordi vi mente at det i store saker var viktig at vi hadde så bred tilslutning som mulig, og at vi var enige om tiltakene videre. Jeg håper ikke det sporet er brutt når vi skal fortsette diskusjonen som kommer i kjølvannet av denne tilslutningen.

ikkje berre nasjonalt. Denne planen er også Noregs bidrag til ein ny internasjonal klimaavtale gjennom FN-systemet. Vidare vil Noreg gå i dialog med EU, der målet er å inngå ein avtale om felles oppfylling av klimaforpliktinga, med eit klimamål på minst 40 pst. utsleppsreduksjon i 2030 samanlikna med Regjeringa vil altså fram mot klimakonferansen i Paris i desember 2015 arbeide aktivt for ein intensjonsavtale med EU om felles oppfylling av klimaforpliktinga. Noregs utsleppsforplikting i den nye klimaavtalen vil også reflektere vår nære tilknyting til EU på mange

Dette gir ein utsleppsbane i tråd med togradersmålet, og Noregs målsetjing skal vere minst like ambisiøs som EUs. Det er elles grunn til å peike på at ettersom EU legg 1990-nivået til grunn for talfesting av reduksjonsmål, blir det vesentleg meir krevjande for Noreg enn for EU å nå måla. Høgre–Framstegsparti-regjeringa vil føre ein ambisiøs nasjonal klimapolitikk som bidrar til at Noregs nasjonale utslepp blir reduserte fram mot 2030, og dermed også bidrar til det langsiktige målet om at Noreg skal bli eit lågutsleppssamfunn i 2050. Miljødirektoratets rapport «Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken – klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid» viser at det er eit gap mellom Stortingets klimamål og vedtatte klimatiltak og verkemiddel på om lag 8 millionar tonn CO2 – eit gap som har auka under den raud-grøne regjeringa sine åtte år med fleirtal og gjer arbeidet atskilleg meir krevjande. Denne regjeringa har sørgt for at det er i gang eit arbeid med å styrkje verkemidla gjennom opprettinga av Grøn skattekommisjon, regjeringa sin strategi for arbeidet med CO2-handtering, den heilskaplege gjennomgangen av bilavgiftene og Nasjonal transportplan. transportplan. Av nemnde prioriterte innsatsområde i klimapolitikken vil vere: reduserte utslepp i transportsektoren utvikling av lågutsleppsteknologi i industrien og rein produksjonsteknologi CO2-handtering styrking av Noregs rolle som leverandør av fornybar energi og sist, men ikkje minst: miljøvenleg skipsfart Noreg har teknologi, kompetanse og kapital til å leie an i det grøne skiftet. For å ta det siste punktet først: LNG er innanfor skipsfart ei energiform som begynner å skyte fart, og ho vil føre til store reduksjonar i utslepp. Det viser at det framleis er viktig med positive incentiv til teknologiutvikling generelt, også innanfor industrien. Noreg har også nokre av verdas fremste kompetansemiljø på planlegging og realisering av prosjekt innanfor fornybar energi i utviklingsland gjennom SN Power og Norfund. Noreg vil gjennom desse selskapa, men også med andre verkemiddel, bidra til etablering av ny fornybar energiproduksjon i utviklingsland, då vi alle veit at vegen for å kome ut av ekstrem fattigdom er nettopp gjennom Regjeringa og samarbeidspartia har vedtatt å løyve 400 mill. kr årleg til FNs Green Climate Fund fram til 2018. Det grøne klimafondet skal finansiere klimatiltak i utviklingsland. Framstegspartiet meiner at fangst og lagring av CO2 vil vere den avgjerande teknologien for å nå dei globale klimamåla. Også for norske industrielle punktutslepp vil ein slik Det er også brei politisk einigheit om at skog bør bli inkludert i ein framtidig internasjonal klimaavtale. Dette må gjerast slik at avtalen stimulerer til berekraftig skogbruk, der skogen sine karbonlager blir varetatt, samtidig som skogen sine moglegheiter til å levere eit fornybart råstoff

EU legg opp til at nokre av kutta i ikkje-kvotepliktig sektor kan bli gjennomførte ved kjøp av kvotar i EUs kvotesystem eller ved gjennomføring av klimatiltak i andre EU-land. Noreg vil nytte seg av denne fleksibiliteten – på lik linje med EU-land. Alt i alt er dette ei god, framtidsretta og ambisiøs stortingsmelding, som får brei støtte – noko som kom fram under høyringa – og det har ført til at ho gjennom behandlinga i Stortinget har blitt, om mogleg, endå betre.
gode innlegg og takke regjeringspartiene og Venstre for at en klarte å legge fram en så viktig sak som dette i fellesskap på den gode måten, og at den har fått så bred tilslutning i salen. Så vil jeg også si til representanten Aasland fra Arbeiderpartiet at for Kristelig Folkepartis del er vi beredt til representanten Aasland fra Arbeiderpartiet at for Kristelig Folkepartis del er vi beredt til å diskutere tiltak. Problemet har jo ikke vært ambisiøse mål – det har vi vært gode nok til å sette – men det har vært å komme med tiltakene og følge opp målene. Det er vi beredt til. Men nå er denne saken først og fremst om tilknytninga til EUs klimamål. Men nå er denne saken først og fremst om tilknytninga til EUs klimamål. Også gjennomgangen som statsråden hadde for å se på gapet som gjelder utfordringene i forbindelse med klimagassutslipp, viste jo med all tydelighet at vi trenger flere tiltak. Den viste at det vil bli et gap på 8 millioner tonn i 2020, dersom en fortsetter som i dag. Derfor er det helt avgjørende for Kristelig Folkeparti at det følger klare og tydelige forpliktelser for de målene vi setter oss.

Dette viser at norsk klimapolitikk nå inkluderes i et rammeverk som rent faktisk har bedre resultater for reelle utslippsreduksjoner enn det norske myndigheter har oppnådd. Vi tror at en juridisk bindende avtale med EU kan bidra til at vi i sterkere grad forplikter oss til å nå de ambisiøse målene. Derfor er vi veldig glade for at Stortinget nå fatter dette vedtaket. En utslippsreduksjon på 40 pst. i 2030 er i tråd med en utslippsbane for togradersmålet og anbefalinga fra FNs klimapanel. Et kutt på 40 pst. er minst like ambisiøst for Norge som for EU og vil være mer krevende for oss, for som sagt, mens EU har redusert sine utslipp siden 1990, har Norge økt sine. Prosentvis må vi derfor kutte mer fra dagens nivå enn det EU må.

Marit Arnstad,

målene skal stå over lang tid – 15 år fram i tid er ganske lang tid, og vi vet at samtidig som vi nå setter oss mål, har vi heller ikke råd til å skyve tiltakene foran oss og utsette arbeidet med dem. Målene er kanskje ikke den mest krevende delen av det arbeidet vi står foran. Diskusjonen om tiltakene og gjennomføring kommer til å bli atskillig viktigere og atskillig mer krevende. Det er den viktigste debatten – hvordan vi som samfunn skal møte de omstillingene som klimapolitikken krever. Senterpartiet syns det er viktig at en spør seg sjøl, på bakgrunn av de målene vi nå har satt, hvordan vi kan legge til rette for framtidas industri i Norge, hvordan klimamålene kan bidra til at det utvikles teknologi, arbeidsplasser og en grønn vekst som også bidrar til å ta oss over i lavutslippssamfunnet. I likhet med representanten fra Arbeiderpartiet må jeg si at jeg syns nok vi kunne kommet lenger også når vi nå diskuterer målene, i hvert fall i å ha en foreløpig drøfting omkring den omstillingen vi må gjennom, og de tiltakene som vi må gå inn i. Det ligger mange krevende spor foran oss, men det ligger også noen muligheter i den ambisjonen, som er å bli karbonnøytral.

De målene vi nå har satt for kvotepliktig sektor, innebærer at en skal oppnå en reduksjon i CO2-utslipp på 43 pst. Senterpartiet mener at det er viktig at en ikke bare overlater kvotepliktig sektor til et kvotemarked, men at vi fra norsk side aktivt forbereder oss på lavutslippsindustri ved å videreføre tiltak som CO2-avgift, men også ved positive virkemidler til teknologiutvikling i industrien. Så skal Norge gjennom forhandlinger med EU fastsette et nasjonalt mål om utslippsreduksjon i ikke-kvotepliktig sektor, og det er grunn til å forvente at Norge må ta store utslippsreduksjoner i denne sektoren. Det vil bety store omstillinger på en rekke områder. I tillegg står Norge fritt – og det syns jeg det er grunn til å understreke – til å bidra med støtte til klimatiltak som den internasjonale skogsatsingen, FNs grønne fond og satsing på fornybar energi i utviklingsland. Det er et arbeid som sjølsagt bør videreutvikles. En av de sektorene som kommer til å stå overfor store endringer i tida framover, er transportsektoren. En overgang til en bilpark der elbiler og lavutslippsbiler dominerer, vil være helt nødvendig. Staten må inngå langsiktige avtaler med de store byene om å bidra til mer klimavennlige samferdselsløsninger. Jernbanen må bygges videre ut, intercityutbyggingen er viktig, men det mest klimavennlige enkelttiltaket en kan gjøre innenfor norsk jernbane, er å elektrifisere de gjenværende dieselstrekningene, bl.a. Nordlandsbanen, Trønderbanen og Rørosbanen. Skogen har også en viktig rolle når det gjelder klimapolitikken. Skog er et eksempel på et område der næringsutvikling og reduksjon av klimagasser går hånd i hånd, og gjennom å inkludere skogens rolle som karbonlager kan en samtidig øke utnyttelsen av de ressursene som fins i skogen.

Det er mange muligheter som ligger foran oss, og det er mange krevende ting. Senterpartiet er glad for at det ble en bred enighet om målene, men vi ser veldig fram til debatten om den videre omstillingen og tiltakene.

Å redusere utslippene med 40 pst. innen 2030 er en felles forpliktelse, men det er viktig å minne om, som det ble påpekt, at det er bare15 år til. Det er altså store omstillinger som Norge, men også EU, må igjennom for å oppnå disse målene. Jeg må bare også si, president, at jeg dessverre har klart å miste en bit av en tann i løpet av dagen, så jeg sliter litt med hvordan jeg skal framføre dette, men det skal nok gå bra. Det er relativt ubehagelig. Men jeg skal si det jeg skal. Det som er viktig, er at nå får vi en felles forpliktelse der vi slutter oss til EUs utslippsboble. sektor. Det er klart det er en forventning om at vi med vår økonomi vil få sterke forpliktelser for å redusere innenfor det som er ikke-kvotepliktig, men i likhet med representanten Arnstad er det viktig også for Venstre at vi har ambisjoner innenfor kvotepliktig sektor, nettopp med CO2-avgiften. Det er viktig for oss at vi har har den petroleumssektoren med lavest utslipp i verden, og også for norsk industri er det viktig å ligge i front gjennom at vi har tiltak, særlig positive tiltak, men også at industrien selv legger seg i selen for å redusere sine utslipp. Så vil det bli en prosess fram mot 2016, hvor EU tildeler, hvor EU tildeler, og man vil få en tildeling av utslippsmål. Vi vil også få en sak hvor vi kan sette egne mål fram mot 2030. Venstre mener det er riktig å gjøre. Land som Danmark, Tyskland og Storbritannia har egne utslippsmål, det må også Norge ha. Det er ingenting ved å slutte seg til EUs mål som tilsier at vi ikke skal ha ambisiøse egne målsettinger som går utover også den forpliktelsen. Men

nemlig også bli reduksjonen. Men da er det en utfordring for statsråden fram mot FN å få fram ambisjonene utenfor EU. Regnskogsatsingen må forsterkes. Det Norge legger inn i det grønne fondet, som vi har bygget opp til et nivå, må vi også se på om vi kan forsterke. Vi må fortsette satsingen på fornybar energi. Vi må også om nødvendig ha inn i diskusjonen, for å få en avtale i Paris, at vi ser på muligheten for eventuelle fleksible mekanismer. mekanismer. Her må statsråden inn, for én ting er tross alt å sette målene for Norge og Europa og garantere at vi når disse målene, og lage politikken for å nå dem, men det viktige er jo å klare å få på plass en ambisiøs avtale i Paris og å ha ambisjoner utenfor EU, sånn at dette kan la seg realisere. Så er det mye snakk om at vi må komme i gang med tiltakene nå. Da er det viktig å presisere at klimaforliket gjelder. Målsettingen om at vi i 2020 skal ned på 47 millioner tonn er altså en forpliktelse som Stortinget fortsatt må jobbe for, og vi må ha tiltak for å nå det. Miljødirektoratet har vist at vi lå bak med 8 millioner tonn. Det borgerlige flertallet har igangsatt en rekke initiativer, og vi har en enighet om å forsterke klimaforliket. Det må fortsette enten det er innenfor kollektivtrafikken, det er å fortsette et grønt skatteskifte, det er å holde fast ved fordelene for elbiler, hybridbiler, som det er bedret forholdene for, det er å få på plass en hydrogenstrategi, eller det er å bygge opp under en miljøvennlig sørge for at norsk industri er i front også på å kutte utslipp. Det må gjennomgås på område etter område, og både neste reviderte budsjett, budsjettet og enkeltvedtak i Stortinget er viktig for å nå den målsettingen. Så skal vi sette de lengre målene når det kommer en ny sak fra 2016, når fordelingen er gjort. Presidenten kan forsikre Elvestuen om at fremførelsen var upåklagelig, selv med en dårlig tann.
og deretter

mål som gjev klar kurs mot nullutsleppssamfunnet. Vi kunne kutta Noregs eigne utslepp samstundes og vist internasjonal solidaritet med dei som blir ramma hardast av klimaendringane. I staden opptrer regjeringa i den nye paradegreina i norsk klimapolitikk hangen til å ha uklare mål om kor mykje ein skal kutta i klimagassutslepp på norsk jord, gjennom å blanda nasjonale mål med bruken av såkalla fleksible mekanismar internasjonalt. Det er ikkje eit fenomen som er unikt for høgresida i politikken. Det var harde tak også då vi i SV styrte saman med venene våre i den raud-grøne regjeringa. Det er sant at klimamålet for 2020 ikkje er særleg enkelt å forstå for ein lekmann, men like fullt hadde vi nasjonalt mål. Utsleppa i 2020 skulle ned til maksimalt 47 millionar tonn. SV vil ha eit tydeleg mål for innanlands utsleppskutt fram mot 2030 og halvera norske utslepp ned til 25 millionar tonn No er nasjonale klimamål i staden historie, og det er synd. Etter klimameldinga er det umogleg å vita kor store klimakutt ein tenkjer å gjera i Noreg fram mot 2030. Eller for å seia det med orda til klima- og miljøminister Tine Sundtoft: Det blir litt tenk på eit tal. Ikkje eingong for alle utsleppa som er utanfor det europeiske kvotesystemet, har klima- og miljøministeren

Noreg reiser dessverre no til klimaforhandlingane i Paris utan tydelege mål for nasjonale utsleppskutt. Det er sjølvsagt fullt mogleg for Stortinget framleis å setja klare mål for innanlands utsleppskutt i Noreg og for kvar enkelt sektor. Dette kjem regjeringa og støttepartia til å måtta levera før eller seinare dersom dei skal ha ein snev av truverde. Men det er ikkje akkurat nokon iver Folkeparti og Venstre ikkje klarer å stemma for forslaget om at det må lagast ein plan for nasjonale utsleppsreduksjonar og ei stortingsmelding om klimapolitikken som viser korleis 2030-måla skal bidra til langsiktig klimavenleg omstilling. Også visjonane til regjeringa for klimasatsing i einskildsektorar er vage og uforpliktande. SV ønskjer på si side konkrete satsingar. Noreg skal ha som ambisjon at landets handverkarar skal vera ekspertar på klimaløysingar, og målet må vera at energibruken i bygg blir halvert innan 2030. Ei slik satsing ville vera eit godt døme på at Noregs viktigaste fortrinn er all den kompetansen som finst i hovuda og hendene til norske arbeidstakarar, og innovasjonsevna og omstillingsviljen og samarbeidsforholda i norsk Det vi kallar «den norske modellen», kan hjelpa oss også i overgangen til nullutsleppssamfunnet. Ministeren har heller ikkje med seg konkrete løfte om internasjonal solidaritet med menneske i fattige land, som opplever klimaendringane på kroppen. Toppmøtet i Lima slo fast at dei nasjonale bidraga skal innehalda ei vurdering av korleis ambisjonsnivået i dei innmelde klimamåla til landa er Det må bety at det historiske ansvaret landa har for klimagassutslepp og økonomisk handlingsrom avgjer ambisjonsnivået. Det er forstemmande at det einaste regjeringa klarer å visa til i dette spørsmålet, er ei kostnadseffektiv fordeling av klimagassutslepp mellom regionar. Kostnadseffektivitet og rettferd er ikkje det same. SV utfordrar forskarar til å svara på kva som er Noregs klimaansvar fram mot 2030. Dei svarer at Noregs historiske ansvar for klimaendringane betyr kutt på minst 50 pst. fram mot 2030, og klimaansvaret aukar til opp mot seks gonger utsleppa til Noreg, dersom ein tek omsyn til at Noreg er eit Noreg er eit rikt land. Noreg kunne lagt fram eit eige mål for Noregs bidrag til finansiering av utsleppsreduksjonar og klimatilpassing i utviklingsland fram mot 2030 og mange fleire ting som eg ikkje rekk å koma inn på. Med dette tek eg opp våre forslag i innstillinga. Representanten Ingunn Gjerstad har tatt opp de forslagene hun refererte til. Det vi diskuterer i dag, er hva Norge som

med en norsk forpliktelse for 2030. Det vil bety at norske klimamål går fra å være noe som i praksis er blant de aller dårligste i Europa til at de vil bli en del bedre. La oss slå én ting klart og tydelig fast med det samme: Med komitéflertallets opplegg og med regjeringens forslag kommer Norge fortsatt ikke til å dekke vår rettmessige del av det globale klimaansvaret. Det hovedproblemet som gjenstår, er at med det opplegget regjeringen foreslår og får støtte for fra Kristelig Folkeparti og Venstre, viderefører man en politikk som har to store mangler. Det ene er at den er skreddersydd for å beskytte den norske olje- og gassvirksomheten mot effektive klimatiltak, og det andre er at den fortsatt unnlater å bruke andre av Norges store virkemidler, som kunne gi et bidrag i den globale klimadugnaden. Siden den første oljen på norsk sokkel ble utvunnet i 1969, er olje og gass på norsk sokkel forbrent og omdannet til om lag 14 000 millioner tonn CO2 – 14 milliarder tonn CO2 – i ifølge klimaforsker Glen Peters ved CICERO Senter for klimaforskning. Det er et veldig stort tall. Det er 280 ganger mer enn våre nasjonale utslipp på drøye 50 millioner tonn. Det betyr at Norge ikke er et lite og uvesentlig land i det globale klimaregnskapet. Vi er et av de landene som virkelig har et stort ansvar for de globale klimaendringene. Når vi nå skal melde inn en ny klimaforpliktelse til FN,

klimaansvaret. Miljøpartiet De Grønne mener at Norges forpliktelse til FN burde være bygget på fire sokler. For det første: Vi må ha et klart mål for innenlandske utslipp, for i tråd med vårt historiske ansvar som et rikt oljeland bør de innenlandske utslippene i 2030 reduseres til 20 millioner tonn CO2, altså tilsvarende om lag 60 pst. kutt i forhold til 1990-nivået. For det andre: Vi må fase ut norsk olje- og gassproduksjon i løpet av en 20-årsperiode. Det er produksjon og bruk av olje, gass og kull som er klimaproblemet, og på et eller annet tidspunkt må man ta inn over seg at det produseres for mye og letes for mye. Norge må ta en del av ansvaret for å trappe ned den virksomheten. For det tredje: Norge må gi et kraftfullt bidrag til internasjonal klimafinansiering. Miljøpartiet De Grønne har allerede i Stortinget foreslått at vi innen 2020 stiller tilsvarende 1 pst. av bruttonasjonalinntekten til klimatiltak i utviklingsland, anslagsvis 30 mrd. kr i dag. Til sist: Norge må investere sparepengene sine i noe som bidrar til en bærekraftig utvikling i andre land. Det vil si at innen 2020 bør oljefondet ha trukket sine investeringer ut av fossile investeringer og satt alle inn i investeringer som bidrar til en bærekraftig utvikling. De Grønne er altså tilhenger av en tilnærming til å samarbeide med EU i klimapolitikken, men vi noterer jo, som også Venstre og andre har påpekt, at disse konkrete klimamålene som vi nå ber EU om å påtvinge oss, har vi denne salen vi kan bruke til å beslutte slike ting i. Det burde vi ha gjort, og det bør vi fortsatt gjøre. I dag er det helt i det blå-blå hva de konkrete konsekvensene av flertallets klimapolitikk vil bli for norske utslipp. Miljøpartiet De Grønne kommer til å

I desember møtes politikere og forhandlere fra alle verdens land i Paris. Målet er å bli enige om en avtale som sikrer at den globale oppvarmingen ikke overstiger to grader celsius. Her må alle land bidra. Togradersmålet krever store endringer i verdens investeringsmønstre og i utviklingen av lavutslippsteknologi. Norge skal bidra i den globale klimadugnaden. Vi skal redusere utslippene med minst fram mot 2030 sammenlignet med 1990. Regjeringens forslag er at vi gjennomfører dette i fellesskap med EU. Det vil gi en utslippsbane i Europa i tråd med togradersmålet. Framleggingen av Norges utslippsmål er en viktig milepæl på veien mot lavutslippssamfunnet. I mars i fjor mottok jeg GAP-rapporten fra Miljødirektoratet. Den viste hvordan vi lå an til å nå klimamålene. Samtidig inviterte regjeringen til en klimadugnad om veien til lavutslippssamfunnet. I oktober i fjor mottok jeg et bredt kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling. Jeg har også etablert et klimaråd som har gitt verdifulle innspill. På dette grunnlaget har regjeringen valgt å peke på fem satsingsområder som skal bidra til utslippsreduksjoner i Norge og i verden. Stortingsmeldingen regjeringen har lagt fram, har to perspektiver: For det første skal Norge levere en indikativ forpliktelse til klimaforhandlingene. Vi gjør vår del av jobben for en ambisiøs og forpliktende klimaavtale i desember. For det andre skal Norge føre en ambisiøs nasjonal klimapolitikk. Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050.

Jeg merker meg at flertallet i energi- og miljøkomiteen slutter seg til ambisjonen om at Norge skal lede an i det grønne skiftet i Europa. Regjeringen er i gang med å forsterke klimaforliket. Vi satser på teknologiutvikling, bl.a. gjennom klima- og teknologifondet. I transportsektoren reduserer vi utslippene med mange ulike virkemidler. Vi har lagt fram en strategi for karbonfangst og Gjennom Grønn skattekommisjon vil vi også legge fram et forslag mot slutten av året. Norges utslipp skal reduseres ytterligere fram mot 2030. Regjeringen har identifisert fem prioriterte innsatsområder i klimapolitikken. Det er en konkretisering av hvor Norge vil bidra spesielt. Slik kan vi legge grunnlaget for et framtidsrettet næringsliv. Vi skal også bidra utover Europa med klima- og skogsatsingen, FNs grønne klimafond og fornybar energi i utviklingsland. Norge vil også arbeide for at avtalen i Paris inkluderer markedsmekanismer for å nå utslippsmålene. Jeg er derfor glad for at innstillingen slår fast at Norge vil påta seg forpliktelser utover 40 pst. reduksjon ved hjelp av fleksible mekanismer i FNs klimarammeverk, hvis dette kan bidra til en global og ambisiøs klimaavtale i Paris. Regjeringen har valgt å stå sammen med EU. Økt internasjonalt samarbeid er avgjørende for å nå klimamålene globalt. EU og Norge har allerede et tett samarbeid på klimafeltet. Dette blir nå forsterket. Det vil være til fordel for norsk næringsliv, og det vil gjøre det lettere å gjennomføre det grønne skiftet i Norge. Jeg vil nå i samarbeid med mine regjeringskollegaer starte samtalene med EU om felles oppfyllelse av utslippsforpliktelsen. EU vil først neste år kunne fastsette mål for utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor. Det vil derfor ta noe tid før alt er avklart. Arbeidet med å redusere de nasjonale utslippene vil fortsette med full tyngde. Hele regjeringen står bak en omstillingsprosess som er helt nødvendig av klimahensyn, men som også gir oss nye muligheter.

Det eneste som så langt er klart, er at veldig mye fremdeles er uklart. Da vi satt i regjering, var vi veldig åpne, vi inviterte til et bredest mulig flertall i Stortinget da vi la fram våre klimameldinger. Kan statsråden si noe nå om hun etter at de nødvendige avklaringer med EU er foretatt, har nå om hun etter at de nødvendige avklaringer med EU er foretatt, har tenkt å invitere Stortinget til brede samtaler om veien fram til 2030 og eventuelt fram til 2050? Representanten Terje Aasland har tatt opp de forslagene han refererte til. La meg først understreke at nå jobber regjeringen med det som Stortinget allerede har vedtatt. Stortinget har vedtatt et klimaforlik som vi arbeider med å forsterke, slik at vi kan nå 2020-målene. 2020 Så skal vi nå inn i forhandlinger med EU om hvilke mål vi får for ikke-kvotepliktig sektor. Jeg tror det er bra at Stortinget er godt involvert i det arbeidet, og arbeidet med de nasjonale utslippsreduksjonene vil være en del av den kontinuerlige innsatsen klimaforliket. Jeg tror at det må ses i sammenheng også med den avtalen vi nå skal inngå med EU, hvor Stortinget vil bli holdt orientert, og vil komme tilbake til Stortinget i forbindelse med ordinære prosesser. Jeg tror Stortinget er godt kjent med at regjeringen jobber med å forsterke klimaforliket. Jeg spurte konkret: Kan statsråden allerede nå avklare for Stortinget om hun har til hensikt, etter at en har avklart med EU hva som blir Norges rolle, å komme til Stortinget for å snakke bredt og prøve å etablere et bredest mulig flertall for veien fram til 2030 eller 2050? Hvis ikke statsråden kan avklare det, mener jeg det er grunn til bekymring, for er det noe en trenger i en langsiktig politikk, hvor en kommer til å binde mange av de føringene som måtte ligge på Norge og denne forsamlingen i år framover, er det et utgangspunkt om at det er bredest mulig tilslutning i Stortinget. Med respekt å melde: Med bakgrunn i den saken vi skal behandle, burde den uroligheten som jeg har, også bekymre statsråden.

For at vi skal klare å forankre det nødvendige omstillingsarbeidet, må det være et tett samarbeid med Stortinget, men jeg har sagt i forbindelse med ordinære prosesser. Jeg er egentlig litt bekymret for det jeg nå hører: ordinære prosesser, budsjettprosesser osv. Det er kanskje da man mest sannsynlig vil ta de store

invitert Stortinget til å sette 2030-mål. Vi skal inn i forhandlinger med EU. Vi skal holde Stortinget løpende orientert og komme tilbake i ordinære prosesser, men det må være en bred forankring i Stortinget med 2030-målene og hvordan de skal nås. Det må det være. Jeg vil først takke for innlegget og at statsråden er

for å bidra til å få en internasjonal avtale i Paris, som er helt avgjørende. Men så blir mitt spørsmål: Nå har vi en prosess. Vi setter mål, men det er også en prosess – en prosess i EU og med EU fram til 2016, da det blir en tildeling av målsetting. Da er det viktig, etter Venstres mening, at vi ikke bare bare forholder oss til hva som tildeles, men at vi setter egne nasjonale mål for innenlands kutt fram mot 2030, som andre EU-land har gjort. Er statsråden enig i at vi trenger innenlands kutt når fordelingen er gjort? Jeg er definitivt enig i det. Det er jo det som ligger i at vi nå også skal kutte i ikke-kvotepliktig sektor. Nå skal vi inn i forhandlinger med EU. Først skal EU fordele sine 30 pst. på 28 land. Der har jeg sagt at vi ikke vet nøyaktig hvilket tall vi får, men at det kommer til å ligge i den øvre grensen, er ganske klart. Og når vi nå skal kutte i ikke-kvotepliktig sektor, må vi sette oss nasjonale mål. Det er derfor vi har utpekt de fem satsingsområdene. Vi må kanskje allerede nå ta høyde for, som vi gjør i vårt samarbeid for å forsterke klimaforliket, at vi må gjøre mye mer innenfor transport, som kanskje er det som ligger mest til rette for å gjøre i ikke-kvotepliktig sektor. Jeg kan ta et tilleggsspørsmål, som jeg ikke rakk. rakk. Én ting er målsetting, jeg har aldri sett at det er nasjonale mål, men det er jo andre målsettinger også som ligger innenfor EU, bl.a. når det gjelder energiøkonomisering eller fornybar energi. Men der er det jo felles mål og ikke brutt ned på det enkelte land. land. Da blir mitt spørsmål om andre mål enn det rent utslippsmessige: Er statsråden enig i at vi trenger å sette oss egne målsettinger nasjonalt, også for energiøkonomisering og også for fornybar energi?

samfunn for å nå lavutslippssamfunnet. Vi må jobbe med utslipp i mange sektorer. Vi er allerede forpliktet med EU i kvotepliktig sektor. Nå må vi jobbe mer i ikke-kvotepliktig sektor, og vi må også gjøre mer med fornybar energi. Der er jo EU glad for vårt bidrag nå, at vi har gitt konsesjon til utenlandskabler til Tyskland og England, slik at vi også kan bidra til den nødvendige omstillingen i Europa. Det vi ønsker, er å se dette i en sammenheng.

klimaendringen. I klimameldingen er olje- og gassvirksomheten gjemt unna innenfor begrepet «kvotepliktig sektor» og for øvrig ikke viet noen som helst omtale. Kan klimaministeren i Norge forklare hvordan man kan legge fram en norsk klimamelding uten å omtale norsk olje- og gassektor med ett eneste ord?

Men det er jo ikke helt uvesentlig for Stortinget hvordan man skal nå de utslippsmålene som settes. Når jeg da spør statsråden om hun har til hensikt å komme til Stortinget og drøfte med Stortinget hvordan målene skal innfris fram mot 2030, så klarer ikke statsråden å svare. Det synes jeg er litt spesielt, for er det noe som burde samle Stortinget, er det den veien vi skal stake ut fram til 2030 og fram til 2050 i vår tids kanskje viktigste sak. Da synes jeg det er grunn til bekymring når svaret ikke opplagt er ja. Jeg mener også at når det ikke gis svar på det representanten Elvestuen spør om, så synes jeg det burde bekymre representanten Elvestuen, som presenterte målmeldingen sammen med statsråden – eller iallfall hans parti. Det som er det etterlatte elementet nå i tilknytning til denne saken etter i kveld, er at her er veldig mye uklart. Her er det – så langt – veldig liten vilje til å komme til Stortinget og prøve å lage en samling om veien framover. Det synes jeg er grunn til bekymring. Hvis ikke regjeringen har til hensikt å komme til Stortinget for å prøve å skape et bredest mulig forlik om veien til 2030 og fram mot 2050, så tror jeg Stortinget må reagere på dette på egnet måte.

veien videre fram til 2030. Det er også slik at en avtale med EU må ratifiseres av Stortinget, så en kommer tilbake til Stortinget. Det jeg ikke har bekreftet nå, og som representanten Aasland er veldig opptatt av, er et nytt klimaforlik. Vi har et vedtatt klimaforlik som vi jobber etter, og som vi også arbeider med å forsterke. Så setter vi oss nå

Videre står det: «Dersom en felles løsning ikke fører frem, vil målet om minst 40 pst. utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990 være Norges indikative forpliktelse. Flertallet ber regjeringen komme til Stortinget med en egen sak som beskriver hvordan Norge skal arbeide for å nå vår indikative forpliktelse hvis en felles løsning med EU mot formodning ikke skulle føre frem.» Det kommer altså en sak uansett, noe som representanten Aasland burde vite hvis han hadde lest innstillingen som han er en del av. Så videre til den brede forankringen, som vi har tradisjon for i Stortinget: Den kom på plass som en følge av at den forrige regjeringen la frem to klimameldinger – ikke bare én, men to – som var så svake at Stortinget så seg nødt til å følge opp med et klimaforlik. Denne regjeringen har ikke tenkt å bruke tid på å legge frem dårlige klimameldinger, som må følges opp med med klimaforlik gjennom en utålmodig opposisjon – og det er fordi den utålmodige opposisjonen som satt i forrige periode, nå sitter i posisjon og dermed har muligheten til å følge opp disse tingene fortløpende, også gjennom egne saker til Stortinget, noe som er beskrevet i innstillingen. Så jeg føler meg trygg på at vi skal få en bred forankring av både målet – noe vi har fått i dag – og oppfølgingen av

utslippsboble. Samtidig har vi en helt tydelig forpliktelse – som jeg synes statsråden svarer godt på – til å strekke oss i det internasjonale arbeidet for å få til en avtale i Paris. Vi setter oss ikke bare en målsetting – vi setter også i gang en prosess. Og som representanten Astrup refererte til, kommer en tilbake til Stortinget – enten en har

Vi mener vi må ha tydelige nasjonale mål, vi må ha nasjonale mål for innenlands kutt, som andre EU-land har. Men den prosessen vil pågå fram mot 2016, og den diskusjonen tar vi i 2016. Det som er viktig nå, er at vi forholder oss til de vedtakene vi allerede har gjort, som er klimaforliket med utslippsreduksjonene inn mot 2020.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

CICERO. Så ser vi at andre også har gitt innspill til regjeringen, bl.a. Transportøkonomisk institutt, hvor de er samstemmige i tanken om at en klimalov vil gi en merverdi. De langsiktige målene og hovedelementene i et rapporteringssystem mellom storting og regjering er da det som er fokusert. Et flertall i komiteen en lovfesting av de langsiktige målene kan bidra til større forutsigbarhet, og er slik sett et tydelig uttrykk for at lavutslippssamfunnet skal realiseres. Dette gir også en tydelig føring for den retningen man ønsker å utvikle samfunnet i, og vil dermed kunne bidra til en mer klimariktig utvikling. Derfor har en nesten samlet komité, med unntak av Fremskrittspartiet, bedt regjeringen gjennom forslag nå i kveld om å fremme et forslag til en klimalov etter de prinsippene jeg har redegjort for – at man lovfester de langsiktige utslippsmålene og likeledes rapporterings- og styringsmekanismene mellom storting og regjering. Mål og klimalov er likevel bare rammene for den politikken vi skal føre i Norge. Klimapolitikk er politikk i et generasjonsperspektiv, og forutsigbarhet og langsiktighet er viktig. Så kan jeg vel forlate saksordførerrollen litt på tampen og bare forundres litt over Fremskrittspartiet. Som regjeringsparti – og som det eneste partiet på Stortinget – velger de å stemme imot en slik overordnet lov. Begrunnelsen er, etter min og vår vurdering, svært tynn og tilnærmet ikke-eksisterende. En slik tilnærming kan egentlig kun skyldes at klimaskeptikerne i at klimaskeptikerne i partiet vant fram. Det gir etter min oppfatning grunn til bekymring for framtidens konklusjoner om viktige klimapolitiske temaer og tiltak. Det viser også, med respekt å melde, den diskusjonen vi hadde i foregående sak, om de diskusjonene som må pågå i regjering når man skiller lag i en sak som dette. Jeg håper allikevel, til tross for uenigheten som foreligger mellom regjeringspartiene om en klimalov, at den delen av regjeringen som er for dette, kan følge opp vedtaket på en rask og konstruktiv måte. Som en konservativ politiker er mitt moralske og ideologiske utgangspunkt forvalteransvaret. Vi må etterlate jorden i minst like god stand til våre etterkommere som

Dette innebærer en avveining mellom ulike hensyn, både kortsiktige og langsiktige. Jeg var i utgangspunktet enig med SVs nestleder og den rød-grønne regjeringens tidligere miljøvernminister Bård Vegar Solhjell da han 12. mars i fjor gikk ut i Dagens Næringsliv og advarte mot å tro at en klimalov ville gjøre norsk klimapolitikk bedre. I likhet med de rød-grønnes tidligere miljøvernminister mente jeg at det ikke var mangel på lover som var problemet, men heller den årelange politiske nedprioriteringen av beslutninger til beste for miljøet som var grunnen til at dagens regjering overtok en klimarealitet som viste et utslippsgap mellom faktiske nasjonale utslipp og egne utslippsmål på hele 8 millioner tonn CO2. Jeg mener fortsatt at det er den konkrete klima- og miljøpolitikken som er viktigst, og at en klimalov kun kan komme som et tillegg til det daglige arbeidet regjeringen og samarbeidspartiene gjør for å redusere klimagassutslippene. Regjeringen og samarbeidspartienes omlegging av kjøretøy- og drivstoffavgiftene i en grønnere retning, bruk av statens innkjøpsmakt i klimaets og miljøets tjeneste og ikke minst det nye klimarammeverket mot 2030 er viktige og konkrete grep som vil føre til at klimagassutslippene går ned. Derfor var jeg også uenig med representanten Aasland, Arbeiderpartiet og den rød-grønne regjeringen da de bl.a. fjernet avgiftsfritaket på biodiesel et konkret og viktig tiltak for en renere transportsektor. Heldigvis har vi fått en ny regjering og et konstruktivt samarbeidsklima på borgerlig side som har rettet opp i feilen de rød-grønne begikk, og for første gang har vi fått et statsbudsjett som vil føre til at utslippene fra transportsektoren vil gå ned. Forhåpentligvis vil også de mange arbeidsplassene som gikk tapt som følge av den rød-grønne avgiftsøkningen, skapes på nytt.

basert på erfaringer med dagens lovgivning og virkemiddelbruk, en utredning som den rød-grønne regjeringen hadde lagt i skuffen, noe det kan være verdt å minne om, all den tid Arbeiderpartiet nå prater om klimaskeptikere. Regjeringen har gjennomført et åpent høringsmøte i Klima- og miljødepartementet og en åpen innspillsrunde som ble avsluttet 30. januar i år. I tillegg har statsråden drøftet saken i klima- og miljøministerens klimaråd. Som et resultat av gode prosesser, drøftinger og diskusjoner har Høyre og jeg landet på å støtte I og II i denne innstillingen, dette fordi vi ser en eventuell lov, som vil være en samordning og overbygging av lovgivningen på klimaområdet, som en god måte å bedre tilgangen til og oversikten over den norske klimapolitikken på. Men den viktigste klimapolitikken vi vedtar i Stortinget i dag, er ikke dette forslaget. Viktigere er saken vi debatterte nå nettopp, om klimamålene for 2030. At Norge nå knyttes tettere til EU i klimaarbeidet, er svært positivt. Dette klimarammeverket er også et lovbestemt overordnet klimamål, som vil forplikte. Vi skal kutte våre utslipp, i fellesskap med EU, med 40 pst. sammenlignet med 1990. Ved å gå inn i et samarbeid med EU om dette skaper vi en ny forutsigbarhet for norsk klimapolitikk, samtidig som vi hever ambisjonsnivået og forplikter oss til å levere.

på hvor vi står i dag, at en rapportering på status er en nødvendig påminnelse. Hvis en klimalov kan være med på å sørge for at vi holder oss oppdatert på hvordan vi faktisk ligger an, ser jeg og Høyre det som svært

Ei klimalov er i seg sjølv slett ingen garanti for måloppnåing. Representanten Aasland var ein tur innom Framstegspartiet. Han undra seg over partiet og meinte at grunngjevinga vår for å gå imot ei klimalov var svært tynn. Då kan ein spørje seg: Var det mangelen på ei klimalov som gjorde at dei raud-grøne blei gåande og halde på med som førte til at utsleppa auka gjennom den perioden Aasland og co. sat i førarsetet, mens ein no har konkrete planar for å redusere dei? Framstegspartiet vil i denne samanhengen vise til rapporten The New Climate Economy, som blei publisert hausten 2014. Rapporten konsentrerer seg om moglegheiter for å takle vekst og klimaendringar i tre kritiske system: byar, landbruk og energi. Dei tre sentrale drivkreftene for endring er ressurseffektivitet, investeringar i infrastruktur og innovasjon. Rapporten anbefaler m.a. bygging av meir produktive og reinare byar, betre bruk av landareal og omlegging av energisystem til fornybar energi og betre ressursutnytting. Rapporten skil mellom tiltak for låg-, middels- og svært konkret når det gjeld kva tiltak som bør bli sette i verk for å løyse utfordringane. Etter Framstegspartiet sitt syn har rapporten meir føre seg når det gjeld korleis ein kan løyse klimautfordringane enn det ei klimalov nokon gong vil få. Framstegspartiet stiller spørsmål om kva lova skal innehalde, kva som er føremålet, og ikkje minst korleis lova skal Klimautfordringane er eit globalt problem som ikkje blir løyst gjennom nasjonale forbodslover, men gjennom internasjonale avtaler som forpliktar partane til å setje i verk tiltak for å løyse klima- og miljøutfordringane. Framstegspartiet er redd for at ei klimalov vil bli ein papirtiger: Ved første augesyn vil ho verke trugande, men i verkelegheita vil ho vere både tannlaus og utan lov markerer høgtid, autoritet og viktigheit, men er slett ingen garanti for måloppnåing, slik fleire synest å tru. Om det var så enkelt, var det fleire tema som fortente ei lov – kanskje ei lov mot tomme symjebasseng, ei lov mot fattigdom for barn eller ei lov mot ufrivillig deltid, og slik kan Det er mange viktige politiske tema som ikkje er løyste, og om vi skal løyse dei gjennom lov, må vi skunde oss å få på plass dei lovene. Framstegspartiet meiner vi undergrev lovregimet ved lover som ikkje faktisk bidreg til

og i siste sving i klimaforhandlingene fikk vi det inn, og da skulle hensiktsmessigheten utredes. Jeg husker at i et av de siste innleggene jeg hadde før valget i 2013, stilte jeg spørsmål til daværende miljøvernminister Bård Vegar Solhjell om han hadde fulgt det opp. Det hadde jo skjedd året før, og ingenting var satt i gang. Som representanten Tina Bru var inne på, kom det fram i et oppslag senere at han var sterkt imot det. Derfor var det viktig for oss, sammen med Miljøpartiet De Grønne og var sterkt imot det. Derfor var det viktig for oss, sammen med Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet, å fremme forslaget her fordi vi mente det hastet. Derfor er jeg veldig glad for at det er blitt et flertall i denne saken. Storbritannia, som jeg har vist til mange ganger, høster gode erfaringer med sin klimalov, som ble vedtatt i 2008. Den britiske loven lovfester 80 pst. reduksjon i klimagassutslippene fram mot 2050, med 1990 som referanseår. Alle departementene er forpliktet til å følge sine tildelte karbonbudsjett, og derfor vil jeg si til representanten Grimstad at en dermed også vil være pliktig gjennom loven til å følge opp. Derfor tror vi at det vil være et viktig virkemiddel. De ser den som et godt redskap for å skape langsiktige forpliktende politiske løsninger, og den har styrket klima- og energidepartementets innflytelse i regjeringa. Storbritannia har også endret sin energipolitikk betydelig etter at de fikk loven. Flere andre land har innført, eller er i ferd med å innføre, nasjonale klimalover. I 2012 fulgte Mexico og så Finland og Danmark, og Kina jobber med lovforslag. Det er stor grunn til begeistring over at nær sagt samtlige partier nå går inn for at også Norge skal få sin klimalov i denne stortingsperioden. Det er helt avgjørende at den enigheten vi har når det gjelder dette forslaget, resulterer i en sterk og forpliktende klimalov.

fordi vi fastsetter rammene, men overlater til politikerne å bestemme tiltakene som skal få ned utslippene tilstrekkelig. En klimalov vil forplikte enhver regjering til å følge opp klimamålene og gi verktøy for systematisk rapportering av hvilke tiltak som iverksettes. Vi mangler i dag et overordnet verktøy som sørger for langsiktige utslippsreduksjoner i alle sektorer. En klimalov vil gjøre de overordnede utslippsmålene juridisk bindende. WWF, som er den organisasjonen som har gått i bresjen for innføring av klimalov de siste fem årene, har pekt på fire elementer for å sikre en sterk klimalov: Tallfeste nasjonale utslippsmål for 2030 og 2050, som er i tråd med Norges ansvar for å unngå 2 graders global oppvarming – det gjorde vi i forrige sak. Karbonbudsjetter som fordeler norske utslippskutt på alle sektorer, slik at vi sikrer forutsigbare rammer for næringslivet, og som ligger til grunn for alle beslutninger som skal tas i forvaltninga. En detaljert og sektorvis rapportering i de årlige statsbudsjetter som viser hvordan summen av planlagte utslipp og utslippsreduserende tiltak sikrer en utvikling i tråd med de vedtatte klimamål.

Ønsker representanten å ta opp forslaget? Det vil jeg gjerne. Da har representanten Kjell Ingolf Ropstad tatt opp det forslaget han refererte til. Det er veldig positivt at komiteen har

at saken vi behandler i dag, betyr at vi skal få et lovforslag, der de langsiktige nasjonale utslippsmålene fastsettes, og at det skal skje på en slik måte at den saken skal behandles i inneværende stortingsperiode. Det er bra. Debatten om klimalov har gått i mange partier, og jeg tror vi skal erkjenne at sjøl om en i dag står nokså samlet om en del føringer knyttet til et lovforslag,

sektorovergripende forpliktelse, rett og slett, og det er det klimalov egentlig handler om. Det handler om å få et lovverk, en rammelov, som gir oss mer langsiktighet og mer helhet og dermed også forplikter oss på en sterkere måte enn det vi ser i dag. Så må vi etter Senterpartiets mening erkjenne etter Senterpartiets mening erkjenne at karbonbudsjett er et viktig virkemiddel i en slik lov. Sjøl om det skal være en rammelov, er spørsmålet om et karbonbudsjett noe av det viktige. Det er kanskje også noe av den viktigste erfaringen fra Storbritannia, at det karbonbudsjettet de har, har vært en av de tingene som har gjort den loven positiv. Det er riktig, som enkelte har sagt, at en klimalov alene gir oss ikke nødvendigvis en bedre klimapolitikk, men det gir oss mulighet til mer langsiktighet og mer helhet, og det er bra. Erfaringene fra Storbritannia er jo nettopp at klimaloven er viktig når det gjelder mål, ansvar og prosesser, og at karbonbudsjettene er de viktigste virkemidlene for å spesifisere både utslippsbaner og også gi delmål knyttet til klima. Det igjen øker også helhetstilnærmingen til klimaspørsmålet. klimaspørsmålet. Jeg synes det er viktig når det nå skal utarbeides et lovforslag, at vi tar med oss at den britiske loven virker, og at ansvaret virker sterkere når det er lovfestet, og at det fører til en ansvarliggjøring av mange parter. Det øker Klimadepartementets overordnede rolle, og ikke minst er det viktig i forhold til budsjettprioriteringene. Jeg synes at på det området er også en klimalov viktig. Jeg tror at enhver klimaminister trenger noen våpen i kampen framover, og det å kunne ha slagkraft når det gjelder budsjettprioriteringene, og det å kunne skape samordning mellom ulike sektorer, og den tyngden, den forpliktelsen, må være sterkere enn tidligere, og det vil en klimalov kunne bidra til. Så er sjølsagt noe av det spesielle i denne saken at de to regjeringspartiene ikke er enige seg imellom når det gjelder en klimalov. klimalov. Der må jeg få lov til å slutte meg til representanten Aasland, som sier at han håper at den delen av regjeringen som nå slutter seg til innstillingen, også vil bidra til at den blir fulgt opp overfor Stortinget. Jeg registrerer også at Venstre har lagt fram et løst forslag, og det var på tide. Senterpartiet var litt redd for at Venstre nok en gang skulle redde regjeringens ansikt i en slik sak, men jeg regner med at det gjør det lettere for Venstre også når regjeringspartiene

Venstre har lenge vært for en klimalov, og i forrige periode la man også fram forslag, uten å få flertall for det. Vi er veldig glad for at det nå er et bredt flertall i Stortinget, som jo viser den dynamikken som er i det stortinget vi har i denne perioden, på klimaområdet. Jeg vil også takke saksordføreren. Vi hadde en høring i komiteen som jeg synes var veldig klargjørende for temaet. Jeg tror den var nyttig for veldig mange. Det er klart at en klimalov i temaet. Jeg tror den var nyttig for veldig mange. Det er klart at en klimalov i seg selv ikke er nok for å nå målene, men det er et veldig nyttig virkemiddel for å nå mål. Det gir helt klart det som mange uttrykker, en merverdi inn mot arbeidet for å redusere klimagassutslipp. Nå er det mye som skal gjøres i forhold til hvordan den konkret skal utformes, men målsettingen er at det skal gi en mye større forutsigbarhet i klimaarbeidet. Så må vi jo også tilpasse en klimalov til det systemet vi allerede har, og det er også påpekt i en merknad at vi må bruke Miljødirektoratet, som allerede rapporterer og skal rapportere årlig på hvordan vi ligger an i forhold til de målsettingene vi har satt. I Norge er det ikke sikkert det er nødvendig å ha et eget klimaråd, som man har i Storbritannia, men at vi bruker det vi har. Så til Fremskrittspartiet. Jeg er helt enig i at de konkrete tiltakene selvfølgelig er det viktigste for å redusere utslippene, men det er virkelig ingen motsetning mellom det å ha en klimalov og det å ha konkrete tiltak. Tvert imot henger dette veldig nøye sammen. Det er nettopp det som skal skje i årene framover, å sette sammen et system der vi har de allerede vedtatte målene mot 2020, der vi har målsettinger som vi har satt oss i dag fram mot 2030, sammen med EU vi må også sette egne, nasjonale mål fram mot 2030 – og der vi har et rammeverk og virkemidler som sikrer at vi gjennomfører de konkrete tiltakene for å nå disse målene, og ikke igjen ender opp i en situasjon der vi bare setter høye målsettinger, men der virkemidlene ikke står i forhold til målsettingene. Fra Venstres side er vi veldig godt fornøyd med dette dette flertallet. Jeg vil også ta opp vårt forslag, som er på løst ark, som presiserer at en i forbindelse med en klimalov må rapportere i de årlige budsjettene hvordan Norge kan nå klimamålene for 2020, 2030 og fram mot 2050, og ikke minst hvordan budsjettet påvirker Norges klimagassutslipp. Dette er et mer presist forslag enn det som nå ligger som III, fordi III dreier seg mer om dagens budsjett. Jeg mener vårt forslag har den samme presisjonen, men peker fram mot en situasjon hvor man har en klimalov. Representanten Ola Elvestuen har tatt opp det forslaget han refererte til. Eg synest dagen i dag opnar for fleire spørsmål enn svar. Den førre debatten viste tydeleg at det per i dag ikkje er

Stortingshandsaminga denne våren har heller ikkje fått på plass nye norske forpliktingar fram mot 2030 i solidaritet med verdas fattigaste land, som blir hardast ramma av klimaendringane. Etter handsaminga av regjeringa sitt forslag til klimamål er det umogleg å vita kor store klimakutt ein tenkjer å gjera i Noreg fram mot 2030. 2030. Då er det vanskeleg å jubla høgt for at Stortinget samstundes gjev si tilslutning til å lovfesta måla for 2030 og 2050. Men eg er fødd på ein søndag og er optimist. Difor vonar eg inderleg at vi på sikt skal få stortingsfleirtal for å lovfesta noko meir konkret for innanlands utsleppskutt enn å tenkja på eit tal. Eg vonar inderleg at det som skjer i dag, blir første steget mot å lovfesta noko meir enn ei samansausing av nasjonale mål kombinert med dei såkalla fleksible mekanismane. SV meiner at innhaldet i ei klimalov avgjer om klimalova har meirverdi for norsk klimadebatt. Difor seier SV tydeleg i innstillinga kva innhald vi ønskjer i ei klimalov. SV meiner Noreg treng tydelege klimamål for 2030 og 2050 som slår fast kor store utslepp vi planlegg å kutta på norsk territorium dei neste 15 og 35 åra. SV meiner at ei omstilling til nullutsleppssamfunnet betyr ei halvering av norske utslepp fram til 2030 samanlikna med 1990 og vidare kutt etter det. Kva meiner regjeringa om kor mykje vi skal kutta i Noreg dei neste 15 åra? Det veit vi ikkje. Og kva meiner Arbeidarpartiet? Det veit vi heller ikkje, sjølv om representanten Aasland til mi glede sa i førre sak at dei ville ha konkrete tiltak. Uklarheit om kva nasjonal omstilling ein eigentleg vil ha, er eit kjenneteikn for dei tre største partia i klimapolitikken, for ein drøymer alltid om at det finst ei enkel løysing ein annan stad. Dette er trist når det norske samfunnet treng ei felles forståing av kva omstilling vi styrer mot. Vi må styra mot nullutsleppssamfunnet, meiner SV. Dette er ei formidabel oppgåve, som må bety mykje for korleis vi skal utforma politikken på alle område. Vi treng Difor meiner SV at Noreg treng nasjonale og sektorvise karbonbudsjett som seier noko om korleis vi planlegg å omstilla enkeltsektorar til nullutsleppssamfunnet. Ei klimalov bør få på plass eit slikt system med karbonbudsjett. Eg vil utfordra dei store partia i norsk politikk til å bli tydelegare på kva ein vil, utover å spørja EU om å bidra.

Miljøpartiet De Grønne slo fast som et av våre første mål på Stortinget å få på plass en klimalov. Derfor takker vi selvfølgelig for samarbeidet med Kristelig Folkeparti, som har jobbet lenge på Stortinget for en klimalov, og med Senterpartiet, som på mange måter var med og vippet stemningen da de gikk inn for klimalov. Dessuten synes jeg saksordføreren, Terje Aasland, fortjener ros for å ha gjort en god jobb med å samle dette brede flertallet, hvor både SV, Venstre og Høyre er med, en situasjon hvor vi på relativt kort tid har gått fra å ha et stort flertall på Stortinget mot klimalov, til å få et stort flertall på Stortinget for klimalov. Miljøpartiet De Grønne er ikke på Stortinget for å lage flest mulig nye lover – selv om dette er den andre loven jeg er med og lager i løpet av noen timer nå, en interessant opplevelse – men poenget er ganske enkelt at vi er nødt til å gjøre noe med en klimapolitikk som har vært en fiasko i 25 år. Vi i Norge har fortalt oss selv og hverandre at vi er verdensledende, med kjempehøye mål. Så har utslippene våre gått opp, mens andre lands utslipp har gått ned – i størrelsesorden 20 pst., når man ser på landene rundt oss. Det er fordi tiltak ikke er blitt gjennomført. Det har veldig lenge vært slik – og det var slik halvveis inne i representanten Tina Brus innlegg at hver gang man snakket til folk om en forpliktende klimalov, begynte de å snakke veldig fort og lenge om behovet for konkrete tiltak. Det har de selvfølgelig helt rett i. Problemet er bare at tiltakene ikke har vært gjennomført, fordi forpliktelsen og mekanismen ikke har vært der. Gjennomgangsmelodien i norsk klimapolitikk har vært uklare ansvarsforhold og manglende forpliktelser. Vi har en klimaminister nå som skal koordinere regjeringens klimapolitikk, men som ikke har en gjennomføringsplan, og ikke har noen virkemidler fra andre departementer. Vi har fagstatsråder innen alle de sektorene som har store utslipp – som samferdsel, olje osv. – men de har ingen utslippsmål. De har ikke noen konkrete planer, og de har ingen forpliktelser på sine sektorer. Resultatet kjenner vi. I tillegg har vi hatt det grunnproblemet – som noen har vært innom her at man nærmest har måttet ha doktorgrad i det stammespråket som heter stoltenbergsk, for å skjønne hva klimaforliket innebærer. Det betyr at opinionens og medias trykk og kontrollfunksjon har vært for svak. Selvsagt – som mange påpeker – gjenstår det mye arbeid før vi får en klimalov som er god nok. Sammen med Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og

som dette dreier seg om. Det er det som spiller noen rolle for hvor mye klimagass som slipper ut i atmosfæren. For det andre må klimaloven bryte ned dette samlede nasjonale målet på konkrete mål og karbonbudsjetter for hvert departement eller for hver sektor, og hver statsråd må få et karbonbudsjett som hun eller han er forpliktet til å levere på. Dette betyr at karbonbudsjettene kan styres, f.eks. over fireårsperioder, valgperioder. Når Stortinget begynner å ta denne klimajobben alvorlig, vil de gjennom den typen mål og budsjetter kunne hindre det som har vært problemet hittil, nemlig at utslippskuttene stadig blir skjøvet framover til neste regjering. Vi mener det er klokt å gi en så tydelig bestilling som mulig til den regjeringen som skal foreslå noen klimamål. Vi er derfor glad for at vi grovt sett får støtte til de forslagene. Vi vil derfor subsidiært gå inn for Venstres presiserte forslag, dersom forslag nr. 1 – som vi har sammen med Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti – faller.

Å sende en sak på konsultasjon gjør vi ikke så ofte i Norge, men det er et veldig vanlig skritt i en del andre lands og i EUs interne beslutningsprosesser. Notatet «Perspektiver på en klimalov» ble sendt på en bred høring i fjor høst. Det har også vært drøftet med Klimarådet, med organisasjoner, forskning og forvaltning, og det har vært avholdt et åpent høringsmøte i Klima- og miljødepartementet. Saken har vist seg å engasjere. Jeg mottok et bredt tilfang av synspunkter, og over 13 000 støtteunderskrifter, gjennom denne konsultasjonsrunden før den ble avsluttet i januar. Hovedtyngden av de som har uttalt seg, er overveiende positive til klimalov, eller til at det fortjener å bli nærmere utredet. Næringslivet understreker behovet for langsiktige signaler og forutsigbarhet, men er delt i synet på om klimalov er det rette virkemidlet. Jeg merker meg at også innspillene til Stortingets klimalovseminar ga uttrykk for en antatt positiv merverdi av å innføre en klimalov. Siden spørsmålet ble tatt opp i klimaforliket, har våre nordiske naboland Danmark og Finland vedtatt klimalover etter en modell lignende den i Storbritannia. Sverige utreder spørsmålet. Nå er det altså vår tur. Som jeg ved flere anledninger har understreket, er lovgivning noe som må tilpasses et lands nasjonale omstendigheter. Vi kan ikke nødvendigvis ta blåkopi av den britiske modellen. Det har heller ikke Danmark og Finland gjort, de har foretatt nasjonale tilpasninger i sin modell. Når komiteen i sin innstilling trekker fram at den ikke ser det som hensiktsmessig med et klimaråd eller en egen klimakomité, men mener at dagens system, hvor Miljødirektoratet står for at det faglige grunnlaget er riktig, synes jeg det er et fornuftig standpunkt, ut fra vår forvaltningsstruktur. Jeg merker meg også at flertallet mener at det er behov for å gjennomgå eksisterende lovgivning som kan ha betydning på klimaområdet, i forbindelse med lovarbeidet. Det mener jeg er viktig, for utgangspunktet er at vi allerede har en sterk lovgivning i Norge, hvor særlig forurensningsloven kombinert med klimakvoteloven utgjør en hjørnesten og er et solid hjemmelsgrunnlag for å føre kontroll med klimagassutslipp gjennom virkemidler forankret i lov. En klimalov kan styrke vårt klimademokrati. At norsk lov krever at regjering og storting regelmessig skal gjøre opp status om kursen i klimapolitikken, tror jeg kan virke skjerpende og ansvarliggjørende over tid. Det er viktig, for lavutslippssamfunnet blir ikke til av seg selv, og heller ikke over natta.

var godt, og det er ikke nødvendig å ta replikk på noe en er enig i. Jeg er glad for det hun sier og oppsummerer ut fra det som er komiteens merknader i tilknytning til saken. Jeg er enig med Oskar J. Grimstad i at tiltakene selvfølgelig er det viktigste. Så sier Grimstad at lov er ingen garanti. er i hvert fall en veldig sterk forpliktelse som ligger der, og som forplikter Stortinget til å følge opp lovformuleringene i tilknytning til det. Det er uansett ikke noe hinder i en lovformulering knyttet til det. Det tror jeg vi må være enige om. Arbeiderpartiet har først nå kommet til en konklusjon. Det tror jeg faktisk mange partier i denne salen har gjort. konklusjon. Det tror jeg faktisk mange partier i denne salen har gjort. Jeg tror at faglig tunge innspill som har kommet fra Miljødirektoratet, fra CICERO, fra Fridtjof Nansens Institutt, fra Transportøkonomisk institutt og andre i innspillsfasen til klima- og miljøministeren, har vært med på å gjøre den og det tror jeg vi skal være glade for. I sum er ikke denne saken så veldig ulik den foregående saken. For det handler om rammer, det handler om forpliktelser, og det handler om retning. Så de to sakene er egentlig langt på vei veldig like. Så vil også Arbeiderpartiet stemme subsidiært for Venstres forslag til alternativ like. Så vil også Arbeiderpartiet stemme subsidiært for Venstres forslag til alternativ III. Helt til slutt vil jeg ønske klima- og miljøministeren lykke til med lovarbeidet. Det kan kanskje bli litt krevende i regjering, men jeg kan trøste henne med at hun har et stort og bredt flertall i Stortinget bak seg. Vi som

mens representanten Rasmus Hansson i eit debattprogram som eg var med i, gav ei detaljert beskriving av ei klimalov som han ser for seg. Dette viser at einigheita om ei klimalov er éin ting, men synet på innhaldet i ei klimalov er mildt sagt breitt og viser at det er vidt forskjellig forståing av kva ei slik klimalov skal innehalde. Så blir det vist til England, og England har ei klimalov. Men England har heller ikkje eit miljødirektorat, så det er mogleg at ei klimalov kan vere hensiktsmessig der. Vi har eit direktorat som hjelper oss på klimasida. Og så, til sjuande og sist: Alle vedtak forpliktar. Eit vedtak knytt til Meld. St. 13 for 2014–2015 forpliktar, på lik linje med at eit fleirtal og eit vedtak om ei klimalov kan forplikte, men innhaldet blir det viktigaste. Neste taler er representanten Terje Aasland. Presidenten minner om at vi skal til sak nr. 21 i løpet av natten. Den påminnelsen skal jeg legge meg på minne, president.

poengterte der at komiteen er enig om en del merknader som legger noen rammer for hvordan en klimalov skal være. Det er viktig å presisere at en del av de innleggene som er holdt om forventninger til klimalov, bl.a. fra representanten Hansson, jo ikke kan sies å være reflektert i komiteens flertallsmerknader. Blant annet påpeker man i komiteens innstilling at den britiske modellen ikke vil være egnet for Norge. Så det legger jo føringer for det videre arbeidet. Når det gjelder forslaget som er fremmet fra Venstre, har det vært Høyres synspunkt at det ligger til regjeringen

det så

på fjellhotellet, kan

Da er vi klare til å gå til votering. Det er 60 sider med votering som vi skal igjennom. Det er om ikke vårens vakreste eventyr, så kan det bli litt lengde på den. Under debatten er det satt fram i alt fire forslag. Det er forslagene nr. 1–3, fra Anette Trettebergstuen på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

innstillingen. Presidenten antar at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti skal stemme imot. Det voteres over I § 19-1 første, andre og tredje ledd. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til innstillingen. Presidenten antar at Miljøpartiet De Grønne skal stemme imot. Det voteres

til forslagene. Det voteres over A, I § 14-9 første ledd siste punktum. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til innstillingen. Det voteres over A, resten av I samt II. Presidenten antar at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne skal stemme imot.

Du tror at Arbeiderpartiet skal stemme imot? Men ikke A? Ikke III. Vi er på A, III – det er riktig.

Det står ikke helt eksplisitt i teksten, men dette handler om ikrafttredelsen. Sosialistisk Venstreparti skal da stemme imot. Da stemmer Sosialistisk Venstreparti imot – og Senterpartiet stemmer for. Det voteres altså nå over A, III. Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet at de skal stemme imot, og Senterpartiet vil stemme for. Presidenten antar at Miljøpartiet De Grønne skal stemme imot.

Venstre og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget. Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti har varslet subsidiær støtte til forslaget. – Her kan det bli skarpt. Under debatten er det satt fram i alt tre forslag. Det er forslag nr. 1, fra Ove Trellevik på vegne av Fremskrittspartiet og

satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Under debatten er det satt fram i alt 15 forslag. Det er forslagene nr. 1–4, fra Terje Aasland på vegne av Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslag nr. 5, fra Terje Aasland på vegne av Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet forslag nr. 6, fra Terje Aasland på vegne av Arbeiderpartiet

og Miljøpartiet De Grønne som står bak innstillingen. Presidenten antar da at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ønsker å stemme imot. – Dette er følgelig en meget skarp votering. Voteringstavlene viste at det var avgitt 52 stemmer for innstillingen, III og 51 stemmer imot. Vi er jo 104 representanter. Ja, det er 104, og det er er jo 104 representanter. Ja, det er 104, og det er bare 103 som har stemt. Vi tar voteringen en gang til. Vi må iallfall sikre oss at vi har forsøkt å gjøre det riktig. Presidenten tar det om igjen, altså hvem som står bak innstillingen, hvem som skal stemme for, og hvem som skal stemme er det Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne som står bak innstillingen. Presidenten antar da at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ønsker å stemme imot.